Det har vært økt satsing på kommunesektoren under den rød-grønne regjeringen – ingen tvil om det. Jeg husker veldig godt tilbake som lokalpolitiker da den tidligere kommunal- og regionalministeren, Erna Solberg, sto og møtte oss utenfor høyblokka utenfor statsministerens kontor og sa: ikke en krone mer til kommunene. Det er noe annet nå. I 2012 var det 300 kommuner med vekst i folketallet. Det var 101 flere enn i 2005 da vi overtok. Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet var det i 2012 180 kommuner med vekst i folketallet, mot 84 da vi overtok i 2005. Kommunene satser, de bygger velferden, de sikrer at det blir flere som jobber i skolen, de har bygd ut barnehager, de sikrer tar tak i satsing på næringsutvikling og bolyst og gjør en kjempegod jobb etter mitt syn. Det skal vi være stolte av. Da forundrer det meg at man er så negativ til det som skjer ute i landet, og sier at distriktspolitikken ikke virker, og at man skal omgjøre tjenester til staten. Siv Jensen si at man fjernet en del av de store oppgavene fra kommunene med tanke på helse og skole, så kunne kommunene konsentrere seg om de virkelig viktige oppgavene. Og hva er de viktige oppgavene? For meg og Senterpartiet er det å ha gode velferdstjenester nær folk – det er det som er det viktige, og det har den rød-grønne regjeringen levert godt på.

at vi lytter til de kommunene som jobber med dette, og det er faktisk en del ordførere i Venstre som også jobber med å få til større regioner rundt seg. En av dem som jobber aktivt med det, er f.eks. ordføreren vår i Hurdal, som ser at han ikke klarer å bygge opp fagmiljøet godt nok, han klarer ikke å løfte de store investeringene man trenger hvis man ikke er flere til å gjøre det, for det er nemlig slik at folk Vi vil ikke ha tvangssammenslåing, vi vil at kommunene skal få mer makt og da få muligheten til å lage de regionene. Det har vi sett at de klarer i andre Den kommunestrukturen vi har i dag, ble satt tidlig på 1960-tallet. Da var det ventetid på å få telefon, og bil var ikke akkurat allemannseie. Så har det skjedd en liten utvikling på de årene. Samfunnet har blitt mer moderne, og avstandene har blitt kortere. Når Fremskrittspartiet foreslår å endre kommunestrukturen og få færre er det for å bedre fagmiljøene for de små kommunene som i dag ikke klarer å utføre de tjenestene de skal utføre. Samtidig ønsker vi at nye oppgaver skal tilføres kommunene fra staten og fylkeskommunen, slik at du får et bedre lokaldemokrati, at kommuner får reelle oppgaver å jobbe med, og ikke minst at de også får ressurser til å jobbe med disse. Nå er det sånn at KS også er positiv til sammenslåing. Mange kommuner er positive til sammenslåing – bare det ikke gjelder deres egen kommune. Nesten samtlige kommuner ser at det trengs endringer i kommunestrukturen i dag, og er villige til å se på endringer, men de er som sagt litt mer skeptiske når det gjelder deres egen kommune. At Senterpartiet ikke er store tilhengere av kommunesammenslåing, har jeg forståelse for. Et parti som har partiprogrammet sitt skrevet i runer, er ikke akkurat et parti som ser på utvikling og modernisering som det helt store. Men det som er viktig med kommunesammenslåinger, er at du allikevel får nærhet til tjenester, og du får et fagmiljø. Så er det en ting som ofte blir vektlagt; at du skal ha nærhet til rådhuset. Spør innbyggerne: Hvor mange ganger i året er du på rådhuset? Hvor mange ganger besøker du visse tjenester i kommunen? Spør også innbyggerne: Hvor går kommunegrensene dine – mellom deg og nabokommunen? Svaret uteblir veldig ofte. ofte. Det er det som er viktig. Det er veldig mye hjertet som styrer denne debatten, og så tenker en ikke på konsekvenser og hva som kan bli bedre med en kommunesammenslåing. Det som er viktig, er at kommunene får nye oppgaver, at de får penger som følger med disse oppgavene, og at de får et bedre og større fagmiljø, slik at de kan gi en mye bedre tjeneste til innbyggerne i

Me har ikkje spesielt mange, og me har heller ikkje spesielt små kommunar i Noreg, samanlikna med andre land. Ei storstilt sanering av kommunar endrar ikkje den norske geografien – dersom ein ikkje vil flytte folk eller tenester. Eg ynskjer at me skal byggje bruer og vegar til folk der dei bur, ikkje som førre regjering, som brukte det som lokkemiddel for at ein skulle slå seg saman. Stakkars folk i Bjarkøy – me såg korleis det gjekk – det har ikkje vorte mykje bru, men dei slo seg saman med Nyleg kom tal frå innbyggjarundersøkinga til Difi, som synte at brukarar av kommunale tenester i mindre kommunar er meir fornøgde med tenestene dei får, enn dei er i større. Men ut frå det som har vore sagt her i dag, vil eg tru at dei same representantane meiner at desse innbyggjarane ikkje har vett nok til å skjønne at dei burde vore meir misnøgde med tenestene dei får. Me har teke grep for å kartleggje kompetanseutfordringar i kommunesektoren. Me fekk nyleg ein rapport om kompetansesituasjonen, og utgreiinga syner at dagens kunnskap gir relativt liten grad av innsikt i korleis kommunane står rusta til å møte sentrale utviklingstrekk. Difor følgjer me opp det me gjer i direkte kommunikasjon med kommunane og gjennom meir forsking. Me er opptekne av at vi skal ha god kompetanse i

som både her og andre stader gir tydeleg uttrykk for at dei vil sentralisere makt, ifrå kommunane til staten. Ser me debatten her i samanheng med innstillingane som vart gjorde til distrikts- og regionalmeldinga og Nasjonal transportplan, der Høgre og Framstegspartiet meir eller mindre vil avvikle distriktspolitikken, gjer det meg ganske uroa for norske distrikt dersom dei skulle få neste periode. Representanten Heidi Greni

Der var Holtålen, Røros, Tydal og Selbu kommuner sammenslått til en kommune – ikke noen stor enhet folketallsmessig, vi har fortsatt ikke passert 20 000 innbyggere, men kommunen blir da godt og vel like stor som Vestfold fylke. Det som kompliserer dette lite grann, er at to av kommunene ligger i Neadalsføret, og de andre to kommunene ligger i Gauldalen. Da har man sett helt bort fra geografi – som jeg håper kandidaten fra Sør-Trøndelag har et visst kjennskap til og det vil fremdeles ta i hvert fall tre timer å kjøre fra den ene enden av kommunen til den andre. I tillegg skulle visst kommunesenteret ligge på Røros. Jeg er ikke helt overbevist om at selbyggene deler den tanken. De har aldri hatt en bo- og arbeidsregion som har hatt noe med den regionen å gjøre. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. I denne saken ber Fremskrittspartiet regjeringen om å

Spesielt framheves viktigheten av god kommunikasjon med helsepersonell, men også i barnehager og skoler og innen kollektivtransporten. Fremskrittspartiet har reist saken tidligere i denne stortingsperioden, gjennom et skriftlig spørsmål til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren. Komiteen ba også om ministerens uttalelse i denne saken. Hun svarte nå, som i forrige runde, at det er den enkelte virksomhet som selv har ansvaret for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til ledige stillinger og vurdere hvilke krav som skal stilles, bl.a. til norskkunnskaper. Samtidig viser hun til at det etter 1. september i år vil bli innført obligatoriske prøver for dem med rett og/eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Slik dokumentasjon vil være nyttig for arbeidsgivere som skal rekruttere nye medarbeidere. Språkopplæring vil dessuten være ett av flere tiltak i den kommende handlingsplanen for bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Det skal vurderes å innføre språkkrav til enkelte faggrupper i helsevesenet. Det er avsatt penger på inneværende års budsjett til språkopplæring for helsefagarbeidere. Det er utarbeidet en veileder for tilsetting av helsepersonell, der viktigheten av Komiteen deler forslagsstillernes syn på at det å beherske norsk er viktig for å sikre god kvalitet i offentlig tjenesteyting, men de øvrige partiene er enige med statsråden i at dette må være den enkelte arbeidsgivers eget ansvar, enten det er statlige eller kommunale arbeidsgivere. Flertallet, som består av alle de andre partiene, innstiller derfor på at forslaget om at dette skal være et statlig, overordnet ansvar, avvises. Jeg forutsetter at Fremskrittspartiet selv tar opp de forslagene de har fremmet i saken. Avslutningsvis vil jeg også framheve et poeng som flertallet i saken har nevnt i sine merknader. Når forslagsstillerne viser til at innvandringen til Norge påvirker sammensetningen av ansatte i offentlig sektor, skal en heller ikke glemme at det også gjelder brukerne av offentlige tjenester. Det at ansatte også behersker andre språk og kjenner andre kulturer enn den norske, er også en ressurs som øker kvaliteten i de tjenestene som ytes. La meg begynne der saksordføreren sluttet, nemlig med at det er

Det er en forutsetning at når en er i offentlig tjeneste i Norge, må en kunne snakke norsk og kommunisere både med kollegaer og med brukere av tjenesten. Det har i media gjennom lang tid vært nevnt situasjoner der brukere av offentlige tjenester blir møtt med ansatte som ikke behersker norsk språk godt. Vi har eksempler på fastleger som ikke klarer å kommunisere, som ikke klarer å forstå hva pasienten mener, og som da heller ikke klarer å formidle til pasienten hva som eventuelt skal skje. Dette har vi flere eksempler på. Så har vi en del eksempler på barnehageansatte. der barna deres går. De klarer ikke å få formidlet det som skal sies om barnet som eventuelt er spesielt, og de får heller ikke tilbakemeldinger fra de ansatte, fordi de ansatte ikke klarer å kommunisere. Vi har også eksempler på sykepleiere som har problemer med språket, og spesielt når det gjelder leger og sykepleiere, skaper dette spesielt når det gjelder leger og sykepleiere, skaper dette en del situasjoner som ikke bare er ubehagelig, men som kan bli direkte farlige. Vi har eksempler på feilmedisinering, og vi har eksempler på kommunikasjon som har gått så feil at det faktisk har vært fare for liv. liv. Når vi har slike situasjoner, og vi ikke er villig til å se på om vi kanskje bør ha en nasjonal norm, et nasjonalt mål, nemlig at de som skal jobbe i offentlig sektor og ha kommunikasjon med brukere, skal kunne gjøre seg forstått på norsk, så har vi et problem i Norge. Dette dreier seg ikke om hvorvidt en sykepleier kommer fra Moldova eller fra Romania. Det er om hvorvidt en sykepleier kommer fra Moldova eller fra Romania. Det er ingen krav til dem som kommer fra Europa – innenfor EØS-området – men når vi bruker Moldova og Romania som eksempel, er det fordi de snakker rumensk i begge land. For moldoveren er det et krav om å kunne norsk når en skal jobbe i Norge, men for rumeneren er ikke dette et krav. Jeg skjønner ikke logikken i det, og det tror jeg heller ingen andre gjør. jeg heller ingen andre gjør. Vi har et annet eksempel, som er skremmende. Det gjelder meddommere i norske rettssaler som ikke klarer å forstå hva saken dreier seg om, men som er med og fatter avgjørelser i saker som går direkte på personer, og som er med og dømmer eller frikjenner folk. Når disse meddommerne ikke klarer å forstå det norske språk, sier det seg selv at det svekker det svekker rettssikkerheten til den enkelte. Slik kan vi ikke ha det. Det er en forutsetning å ha gode kunnskaper om norsk språk for å kunne arbeide og virke i Norge. Det er en forutsetning å kunne kommunisere – med naboer, med kollegaer, med kunder eller med brukere av private og offentlige tjenester. Dårlige norskkunnskaper kan forårsake skade – faktisk fatale skader og det kan uthule rettssikkerheten. Det kan skape farlige situasjoner og misforståelser, som kan ramme en tredjepart. Det er rett og slett dårlig HMS-arbeid. Her har den enkelte virksomhet et ansvar. Det er det ingen tvil om, og det er jeg enig i. Men vi som politikere har også et ansvar, fordi det som går godt i offentlig sektor, og det som går mindre godt, slår tilbake på oss. Hvis flertallet ikke går inn for de forslagene som Fremskrittspartiet herved fremmer, gjør vi verken utenlandske ansatte i offentlig sektor, brukerne eller samfunnet en tjeneste. Vi gjør dem en bjørnetjeneste – som kan få uheldige følger – og jeg vil kalle det en ansvarsfraskrivelse. Representanten Morten Ørsal Johansen har tatt opp de forslagene han refererte til. Saksordføreren har redegjort for sakens realiteter, og saken har vært drøftet i denne salen tidligere. Jeg er

I dag er brukerne av offentlige tjenester mer mangfoldige enn tidligere, og den språklige bakgrunnen deres er derfor også mer variert. Det betyr at offentlig ansatte med variert språkbakgrunn bidrar til likeverdige tjenester til hele spekteret av befolkningen. Forslagsstillerne viser til media, hvor det framkommer opplysninger om at det er sviktende norskkunnskaper blant helsepersonell. La meg først understreke at det er mye helsepersonell fra utlandet som bidrar til at vi har nok helsepersonell i Norge, og mange av dem gjør en uunnværlig jobb i det offentlige helsevesenet. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet vurdert tiltak for å styrke kvaliteten på fremmedspråklige helsearbeidere. Språkopplæring vil være et sentralt tema i det arbeidet. Språkferdigheter i offentlig pleie- og omsorgstjeneste er en del av totalvurderingen når en ansetter folk. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet veilederen «Gode rutiner – gode tilsettinger. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell». Her presiseres det at arbeidsgiver alltid bør foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes, har tilstrekkelige norskkunnskaper for stillingen. Fra 1. september 2013 innføres en regel om at innvandrere som har rett og/eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må gjennomføre obligatoriske avsluttende prøver. Kandidatene får dermed dokumentert sine norskkunnskaper. Helse- og omsorgsdepartementet har i statsbudsjettet for 2013 avsatt 3 mill. kr til en satsing på kvalifisering av fremmedspråklige til helsearbeiderfaget – det inkluderer også språkopplæring. En forutsetning ved enhver ansettelse er at den som ansettes, har gode nok norskkunnskaper til å kunne utføre arbeidet sitt på en god måte. Den enkelte virksomhet har ansvaret for å rekruttere medarbeidere sikre at disse har tilfredsstillende norskkunnskaper. Det er viktig at virksomhetene vurderer kravene til norskkunnskaper med utgangspunkt i virksomhetens behov. Språkferdigheter vurderes som en del av totalvurderingen ved ansettelser, hvor bl.a. intervju, referanseinnhenting og ulike tester er av stor betydning. Imidlertid kan lov og forskrift stille bestemte krav til kompetanse for disse yrkene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider nå med en handlingsplan for bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Planen omfatter også språkopplæring. Ansatte i offentlig sektor har varierende grad av kontakt med brukere, og kravet til kunnskaper i norsk vil være forskjellig. Virksomhetene har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for kompetanseutvikling, dvs. også eventuelt behov for språkopplæring. Forslagsstillerne ber regjeringen fremme de nødvendige forslag om krav til at utenlandske borgere som ansettes i offentlig sektor, har tilfredsstillende kunnskaper i norsk språk, og at utenlandske ansatte i offentlige virksomheter får tilfredsstillende språkopplæring. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er den sentrale Vi kommer ikke til å fremme forslag om generelle krav til norskkunnskaper som skal gjelde alle ansatte i offentlig sektor, og iverksette generelle tiltak for språkopplæring for utenlandske ansatte i offentlig sektor. Jeg mener den enkelte virksomhet er nærmest og best til å vurdere behovene og de aktuelle kandidatene. La meg avslutningsvis nevne noe som Fremskrittspartiets medlemmer understreker ofte i ulike sammenhenger – senest registrerte jeg det i den debatten vi akkurat nå har lagt bak oss – at det er for mye byråkratisering i statlig forvaltning. De snakker om hvor viktig det er med mindre pålegg, mindre sentralisering og større handlingsrom for både private og offentlige virksomheter. Men jeg skjønner at i denne saken har de liten tiltro til de statlige virksomhetenes egen vurderingsevne, og til at virksomhetene selv kan vurdere språkferdighetene til sine ansatte. Jeg er av den oppfatning at rigide krav og regelverk knyttet til de ansattes språkkunnskaper kan føre til at virksomhetene mister verdifull kompetanse som samfunnet på mange områder er avhengig av.

overalt, i barnehage og på forskjellige stader – vil det skape større utfordringar enn om ein innfører eit slikt krav som dette. Derfor kjem vi med to forslag. Det eine er at utanlandske borgarar som blir tilsette i offentleg sektor, har tilfredsstillande kunnskapar i norsk språk. Det synest eg er eit minimum, slik at dei kan kommunisere på ein trygg måte. Og så seier vi også at regjeringa må setje i verk tiltak for utanlandske tilsette i offentlege verksemder slik at dei oppnår eit tilfredstillande kunnskapsnivå i norsk språk. Her kan ikkje regjeringa sitje og fråskrive seg alt ansvar. Dette er ein alvorleg situasjon. Vi har meir enn nok eksempel frå media på at det har vore kommunikasjonssvikt, og då kan ikkje regjeringa berre distansere seg frå dette problemet. Då må vi ta initiativ her og sikre at innbyggjarane kan møte opp hos offentlege tenestefolk og vente å kunne kommunisere på norsk på ein god og trygg måte utan at det blir kommunikasjonssvikt som i verste fall kan medføre fare for liv og helse.

for alle de andre partiene at lokaldemokratiet for Fremskrittspartiet ikke strekker seg langt nok til å inkludere en forståelse for å ta innbyggernes interesser alvorlig. Så Fremskrittspartiet er statspartiet – det statsregulerende, byråkratiserende partiet. Flere har ikke bedt om

tak i. Vi har under punkt 2, Komiteens merknader, ingen merknader. Vi slutter oss til forslaget. Til punkt 3, Komiteens tilråding, har vi heller ingen andre merknader – eller rettere sagt står det vel «ingen merknader». Slik sett rår vi Stortinget til å gjøre det vedtaket som her er referert til. Flere har ikke bedt om ordet til sak

vedtatt. I den første saken behandler Stortinget et forslag fra regjeringen om at Norge skal inngå en avtale med EU, der vi får muligheten til å slutte oss til Det europeiske støttekontoret for asylsaker, EASO. Kontoret er lokalisert til Malta. Det er en enstemmig komite som slutter seg til forslaget. Saken har også vært til uttalelse i utenriks- og forsvarskomiteen, som sluttet seg til utkastet vårt til innstilling. Også deres tilslutning var enstemmig. Komiteen valgte å avstå fra å avholde høring i saken. Begrunnelsen for det er at komiteen allerede 8. juni 2010, da vi behandlet Meld. St. 9 for 2009–2010 om norsk flyktning- og asylpolitikk i et europeisk perspektiv, ga vår tilslutning til at tilknytning til EASO skulle være et prioritert tiltak i oppfølging av

samarbeidet. Land som mottar mange asylsøkere, skal bli bedre i stand til å håndtere søknadene, bl.a. ved å få tilgang til egne asylstøtteteam som etter anmodning kan settes inn i kortere perioder. Det kan også vi komme til å nyte godt av. Det skal samarbeides om aktiviteter og kunnskapsformidling når det gjelder opprinnelsesland. Det skal sørge for at søknadene behandles på en betryggende måte. Det vil tilføre oss verdifull oversikt over utviklingen i asylankomstene i Europa og styrke Dublin-samarbeidet. Det legges også opp til et tett samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Avtalen vil komme alle de samarbeidende landene til gode, men det viktigste er likevel at dette samarbeidet vil bidra til på asylfeltet i hele Europa og sikre at internasjonale konvensjoner og avtaler overholdes. Det er aller viktigst for dem som søker asyl. Kompetanse om mottaksforhold, saksbehandling og sårbare grupper er blant de temaene som framheves. Komiteen anbefaler derfor at Stortinget samtykker til at avtalen inngås på det grunnlaget som er framforhandlet. I den andre saken

Det handler om å utnytte hverandres kompetanse på tvers av landegrenser. Det handler også her til syvende og sist om å ivareta rettssikkerheten til dem som søker beskyttelse i Norge. Oppdatert informasjon om situasjonen i opprinnelseslandet er helt vesentlig i så måte. Det er Landinfos oppgave å sørge for at slik informasjon er tilgjengelig. Når komiteen likevel ikke bifaller forslaget, er det fordi det allerede er etablert et tett samarbeid mellom Landinfo og de nordiske søsterorganisasjonene, slik statsråden opplyser i sitt brev til komiteen. Samarbeidet omfatter alt fra jevnlige fagmøter, utveksling av årlige planer, samordning av temaene for informasjonsinnhentingsreiser og felles reiser. I forrige sak behandlet vi samtykke til at Norge slutter seg til det formaliserte samarbeidet i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet. Også her er det allerede, før vi kommer så langt som til å inngå en avtale, utviklet et omfattende samarbeid, og heretter skal vi altså delta fullt ut. Informasjonsutveksling er en viktig del av dette samarbeidet i Europa. Det nevnte jeg innledningsvis. Det samme er etterprøving og landinformasjonen. I tillegg skal støttekontoret lage analyser som kan bidra til mer enhetlige vurderingskriterier de europeiske landene imellom. Et siste poeng er at EASO også skal samarbeide tett med FNs høykommissær for flyktninger. Komiteen støtter altså hensikten bak forslaget, men

Grunnen til at vi har fremmet dette forslaget, er to typer tilbakemeldinger. Det er tilbakemeldinger fra de ansatte i UDI, som jobber med denne typen områder, som sier at det å ha en inngående innsikt ikke bare i hva som skjer i alle land, men i hva som skjer i alle regioner og alle land, er en ganske krevende jobb, og at det tar lang tid fordi det er et stort fagområde. For Venstre er det viktig at asylsøknader tar kort tid. Alt vi kan gjøre for å sørge for at behandlingstida blir kortere, er bra, ikke bare på grunn av de problemene det fører til at folk blir værende lenge i Norge uten en avklaring, men også fordi det er mye bedre for folk å få en rask avklaring på framtida si. Den andre tilbakemeldinga vi har fått, er fra dem som jobber med denne gruppa asylsøkere, som syns at det av og til ikke er optimale kunnskaper om de landene man uttaler seg om. Vi har en god del eksempler i avslag som viser at det er en del manglende kunnskaper om de landene det er snakk om. Jeg skjønner at det er vanskelig å holde oversikt over et så komplekst saksområde med så store endringer. Derfor mener vi at man kunne ha utviklet en felles base på nordisk nivå for å få det til, ut fra innspill både fra dem som jobber med det, og fra dem som jobber med den typen søknader. Så vi tar opp vårt forslag igjen. Vi syns det er godt, og vi kommer til å jobbe for å få til det i de andre posisjonene vi kan få, for å presse på. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp det forslaget hun refererte til. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 5 og

Et klart flertall i presidentskapet mener det er gode muligheter for slik bistand også med dagens organisering av lovarbeidet. Alle lovforslag – både de som er fremsatt av regjeringen i en proposisjon, og de som er fremsatt av representantene – blir gjennomgått og korrekturlest av Stortingets administrasjon og kvalitetssikret også når det gjelder det lovtekniske. Representantene har også mulighet til å henvende seg til Stortingets administrasjon for juridisk og lovteknisk bistand med utforming av lovforslag i forkant av at de blir fremsatt. Denne ordningen benyttes bare tidvis. Representantene har også mulighet til å be Stortingets administrasjon om å utrede juridiske og andre faglige problemstillinger i forbindelse med et lovarbeid. Utredningsseksjonen kan f.eks. fremskaffe bakgrunnsinformasjon og utrede juridiske konsekvenser et lovforslag. Utredningsseksjonen har imidlertid begrenset kapasitet. Dette har en ressursmessig side og må ses i sammenheng med at lovgivningsaktiviteten på Stortinget kan variere ganske sterkt gjennom året, og fra år til år. Jeg vil kanskje legge størst vekt på det siste. Sagt på en annen måte, og mer direkte – aktiviteten har en

i Stortingets administrasjon som et fullverdig alternativ til det regjeringen har til disposisjon. La meg si det slik: Det vil være en ganske vesentlig bemanningsmessig oppgave. I norsk konstitusjonell praksis er det regjeringen som legger frem de langt fleste lovforslag. Regjeringen har derfor bygget opp et omfattende utredningsapparat for bl.a. å kunne oppfylle opplysningsplikten overfor Stortinget Også den juridiske kvalitetssikringen av lovforslag er i vår konstitusjonelle praksis lagt til regjeringen, i hvert fall siden opprettelsen av et eget lovkontor, som det het den gang, i Justisdepartementet i 1885. Dette kontoret, senere Lovavdelingen, skulle ha et hovedansvar for de juridiske og tekniske sidene ved lovarbeidet. Selv om Lovavdelingen ble organisert som en enhet i et departement, formelt underlagt statsrådens styringsrett og konstitusjonelle ansvar, har det vært lagt til grunn at avdelingen gir sine juridisk-faglige vurderinger uavhengig av departementets politiske ledelse. Oppfatningen av Lovavdelingen som faglig uavhengig i lovgivningsspørsmål kommer også til uttrykk ved at Stortinget eller en stortingskomité ber om lovteknisk bistand. Det er sjelden at anmodninger om slik bistand, i et rimelig omfang, ikke blir etterkommet. Etter fast praksis har komiteene også mulighet til å stille skriftlige spørsmål til fagstatsråden om en sak som komiteen har til behandling, herunder anmodninger om lovteknisk bistand. Stortingets presidentskap har ved flere anledninger påpekt at det er av stor betydning for Stortingets lovgivende virksomhet at departementene etterkommer slike anmodninger fra komiteene og partigruppene om lovteknisk bistand. Men det må også vises forståelse for at departementene ikke kan imøtekomme slike anmodninger hvis det kreves et særdeles omfattende arbeid, og – jeg vil legge til – hvis det krever politiske vurderinger utover det en lovavdeling naturlig kan foreta. Etter flertallets vurdering er det samlet sett gode muligheter for å få juridisk og lovteknisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av lovforslag i partigruppene eller komiteene, enten i Stortingets administrasjon eller ved å rette en anmodning om det til regjeringen. Presidentskapets flertall ser derfor liten grunn til å styrke Stortingets utredningskapasitet på permanent basis med sikte på

assistanse for å utarbeide et lovforslag. Det har vært tatt opp tidligere i denne sal ved Morten Ørsal Johansen bl.a. Noen lovforslag og det arbeid som skal gjøres, er mer krevende enn andre. Da er det etter mitt syn problematisk når man ikke får nødvendig assistanse. Så er det sånn at juridiske spørsmål kan få ulike svar. Lovavdelingen i Justisdepartementet bistår mye, men det er ikke til å legge skjul på at også Lovavdelingen i Justisdepartementet har gjort en del feilvurderinger i det siste. Det har jeg skrevet i innstillingen, tre konkrete saker, og den fjerde er muligens underveis. Det er den saken vi behandlet om medieeierskapsloven i Stortinget på mandag, der man har fått en helt annen konklusjon fra Schibsted, som har brukt jurister, enn det Lovavdelingen i Justisdepartementet har kommet til. Hva som blir utfallet av det, er det for tidlig med, men det viser bare at det ikke er Lovavdelingen i Justisdepartementet som sitter med fasiten i alle saker. Jeg tror også det blir vanskelig å finne ett miljø som sitter med alle svar, men det som er utgangspunktet for forslagsstillerne, er å styrke stortingsrepresentantenes mulighet for å komme med Så er det ikke sånn som flertallet i presidentskapet skriver i sine merknader helt til slutt, at det er «liten grunn til å styrke Stortingets utredningskapasitet på permanent basis med sikte på lovteknisk assistanse». Det som skrives i forslaget, er at man skal nedsette et utvalg for å vurdere hvordan man på best måte kan legge til rette for stortingsrepresentantene. Det som er mitt utgangspunkt, og også forslagsstillernes utgangspunkt, er rett og slett å få de beste verktøyene som er mulig å oppdrive, selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, overfor stortingsrepresentanter. Det føler vi ikke blir ivaretatt i dag, og det følte vel heller ikke en stor del av opposisjonen på mandag da vi behandlet saken om medieeierskapsloven, der det helt åpenbart kom fram at vi får et lovforslag fra Kulturdepartementet, behandlet i kulturkomiteen, og har verken kapasitet eller kompetanse til å vurdere det juridiske rundt det, og spesielt når det blir tidspress i så måte. Det er sånn at Stortinget forholder seg til regjeringen og ikke nødvendigvis til Lovavdelingen i

Det betyr at regjeringen er den som forbereder og legger fram saker for Stortinget. Og det betyr at Stortinget er suveren til å vurdere de sakene som regjeringen legger fram, og til å vedta lover. Det er ikke vanntette skott mellom disse tre pilarene. Det er f.eks. regjeringen som peker ut høyesterettsdommere, som skal dømme etter de lovene som Stortinget har vedtatt. Og ikke minst: Stortinget kan selv ta initiativ til å utforme og vedta lover, uavhengig av regjeringen, enten gjennom representantforslag eller gjennom behandlingen av regjeringens saker. I begge tilfeller står Stortinget fritt til å vedta akkurat de lover som Stortinget mener landet trenger, uavhengig av regjeringen. Men denne autonomien forutsetter en lovkompetanse. Den lovkompetansen har ikke Stortinget som institusjon i dag. i dag. I dag er det kun regjeringen som besitter en slik kompetanse, i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Partigruppene på Stortinget kan selvsagt skaffe seg en slik lovforberedende kompetanse selv gjennom å kjøpe slike juridiske tjenester privat eller selv ansette de beste jurister. Men slike tjenester er gjerne dyre, og det vil gjøre at de partiene med best råd, kan kjøpe de beste tjenestene, mens mindre partier vil bli avskåret fra denne muligheten. Dette vil ikke være et heldig system, fordi gruppenes økonomi ikke bør spille en rolle for hvorvidt stortingsrepresentanter eller partigruppene skal kunne utføre sin gjerning som lovmaker. Dette har etter min mening med grunnleggende prinsipper i et demokrati å gjøre. En slik rolle bør heller ikke spørsmålet om et parti er i regjering, spille. Posisjon og opposisjon bør ha like muligheter til å få utredet sine lovforslag. I dag virker systemet slik at det er regjeringspartiene som styrer Justisdepartementet, og dermed formelt at en bedre balanse mellom rettighetene til partiene i opposisjon og posisjon også var begrunnelsen da SV i sin tid tok initiativ til å få opprettet Stortingets utredningsavdeling. Den ble opprettet nettopp for at partier i opposisjon ikke skulle være avhengig av regjeringen og departementene for å få utredet spørsmål om saker de ville ha utredet. Den fungerer etter vårt syn utmerket etter hensikten. Derfor støtter SV en slik utredning av en egen lovkompetanse i Stortinget, slik det tas til orde for i representantforslaget. Grunnen til at SV har et eget forslag i saken, er at vi mener hensikten med en slik lovkompetanse må være å gi stortingsrepresentantene rask og god hjelp til å vurdere egne forslag til lov få hjelp til å formulere egen alternativ lovtekst til regjeringens forslag, uavhengig av Justisdepartementets lovavdeling, ikke å kvalitetssjekke eller kvalitetssikre det arbeidet som Lovavdelingen utfører, slik Fremskrittspartiet tar til orde for. Om dette skulle være ønskelig, må jeg minne om at Stortinget allerede har mulighet til å benytte seg av den grunnlovfestede retten Stortinget faktisk har til å få lovteknisk bistand eller få sjekket lovforslag opp mot Grunnloven av Høyesterett. Jeg tar hermed opp mitt forslag i saken.

Formålsbestemmelsen fremhever at tilskuddet gis for at gruppene skal kunne drive sin virksomhet slik at representantene kan utøve sitt stortingsverv – det er en litt klarere og tydeligere målsetting – og at kjøp av tjenester fra partiet er inkludert i det formålet. Vi nevner bl.a. å kunne kjøpe HR-tjenester fra partiet for grupper med ikke så stor virksomhet. Nå åpnes det også for kjøp av flere tjenester, der det er viktig å sikre at det fortsatt ikke skal skje overføringer fra partigruppene til partiorganisasjonene. Det skal altså gå til stortingsrelevant arbeid, men det åpnes for et visst kjøp av tjenester mellom gruppene og partiene. Det er enighet om alle endringer og selvfølgelig også denne overgangsordningen, som blir lagt til grunn,

og deretter

for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,5 pst. Det er det samme som beregnet årslønnsvekst i så vel statlig som privat sektor. Det er i så vel statlig som privat sektor. Det er en kjensgjerning at når folk tjener forskjellig, og når den årlige lønnen øker i prosent, øker lønnen mer for dem som har mest fra før. Derfor mener SV at stortingsrepresentantene medlemmer bør få en økning i godtgjørelse på linje med folk flest – målt i kroner. Det dreier seg om, for stortingsrepresentantene, ca. 17 500 kr, som er omtrent det folk flest vil få i lønnsøkning i år. I stedet foreslås det en godtgjørelse som for stortingsrepresentantene vil bety det dobbelte av det folk flest kommer til å få i år. Jeg ser at det ikke er flertall for forslaget i salen, men for oss er det viktig å fremme prinsippet og ikke minst sende et signal til lønnskommisjonen om at de merker seg at vi mener at lønnen bør økes i takt med det folk flest får reelt sett, og at man ikke bruker prosentmål og dermed

Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 11 og 12 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra helse- og

Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen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

Folkehelsedugnaden gjennom de siste 100 årene stagget de smittsomme sykdommene. Tannpuss og fluor har gitt bedre tenner, vi har tilgang på prevensjon og vaksiner, og de fleste hus er knyttet til vannverk som sørger for rent vann. Folk flest har god helse og lever lenge. Sykdom og død skyldes i økende grad måten vi lever på: mat med for mye salt, sukker og fett samt for lite fysisk aktivitet. I 2011 slo et toppmøte i FN fast at ikke-smittsomme sykdommer utgjør en av de største truslene mot menneskelig utvikling dette århundret. Disse problemene løser vi ikke på legekontoret eller på operasjonsbordet. I folkehelsemeldingen beskrives utfordringene, og det fremmes forslag til tiltak. Adressaten er ikke først og fremst helsetjenestene, men hele samfunnet. Prinsippet om «helse i alt vi gjør» innebærer at hensyn til befolkningens helse må ivaretas i all politikk og i hele bredden av samfunnet. Meldingen retter oppmerksomheten mot faktorer som påvirker helse og livskvalitet, istedenfor å ha et sykdomsperspektiv. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid. Vi er uenige om noe, men det er mye vi står sammen om. Hele komiteen deler regjeringens ambisjon om en bred mobilisering for folkehelse. Mens Norge på mange andre områder er et samfunn med små forskjeller, er det systematiske helseforskjeller mellom inntekts- og utdanningsgrupper. Norske menn med høyere utdanning lever 6,3 år lenger enn menn uten. Et rettferdig samfunn, uten store forskjeller mellom folk, gir bedre vilkår for godt folkehelsearbeid. Folks helse er et resultat av hvordan vi innretter samfunnet. Meldingen løfter fram frivillighetens betydning i folkehelsearbeidet. Frivillighet og folkehelse er to sider av samme sak. Det kommer tydeligst fram der frivillige organisasjoner har et direkte ansvar for aktivitet som er helsefremmende, slik vi ser innen idretten og speideren. Organisasjoner som jobber for å øke bevisstheten om og gi et tilbud til personer med bestemte funksjonsnedsettelser eller diagnoser, spiller en annen viktig rolle. Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør begge deler. Pårørendeskoler og tilbud til personer med demens er viktig. Det samme er organisasjonens arbeid for å påvirke samfunnets holdninger og kunnskaper om demens. Vi har også frivillige organisasjoner som jobber helhetlig med forebygging. Organisasjonen MOT har gode resultater med å forebygge blant ungdom, lenge før problemer I tillegg er alt frivillig arbeid helsefremmende, uansett hvor det skjer. Kulturaktiviteter, turgrupper, lag og foreninger er – uansett hva de driver med – gode arenaer for sosialt samvær, kunnskap og felles opplevelser. I meldingen inviteres også næringsaktører til samarbeid. På få år har den norske importen av palmeolje falt kraftig: fra 26 000 tonn i 2005 til 5 000 tonn i 2012 – i en periode der forbruket i resten av verden er doblet. Det skyldes godt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene. Og mens komiteen behandlet meldingen, kom nyheten om at tilsvarende samarbeid var etablert for markedsføring rettet mot barn. At næringsaktører på denne måten tar samfunnsansvar, er flott. Det er enighet om mye på folkehelseområdet, men det er ulikheter i synet på balansen mellom det individuelle og fellesskapets ansvar. Arbeiderpartiet er opptatt av at helse ikke er et moralsk spørsmål. Alle har ansvar for egen helse, men fellesskapet har ansvar for alles helse. Per Fugelli har advart slik: individualiseringen av det forebyggende helsearbeidet har moralske bivirkninger. De som røyker, spiser chips og sitter i sofaen i stedet for å kaste seg ut i akebakken med røde eplekinn, er svake, dumme og skyldige. Folk får ikke mer livsmot av slik stempling.» Livsmot og livsglede er viktig. Vi svinger ingen moralske pekefingre, men vi er opptatt av å bruke de virkemidlene som finnes – lovgivning, pris og tilgjengelighet – for å fremme helse.

Det finnes kunnskapsbaserte metoder for forebygging og tidlig innsats for barn med symptomer på psykisk uhelse, f.eks. Psykologisk Førstehjelp. Det er viktig at slike verktøy tas i bruk, f.eks. i skolehelsetjenesten. At skolehelsetjenesten nå styrkes, er virkelig flott, og enormt viktig. Røde Kors Ungdom har pekt på at kvaliteten på samlivs- og seksualundervisningen varierer for mye. At ungdom kan utvikle gode og sunne holdninger til seg selv, sin seksualitet og helse samt økt respekt for andres grenser og integritet, er viktig for folkehelsen. Å endre matvaner handler om mer enn å kjenne til de ulike næringsstoffene. Geitmyra matkultursenter for barn gjør en viktig innsats for å spre matglede og jordbruksforståelse. Senteret finansieres med midler fra offentlige og private og er en viktig aktør for barnehager, skoler og frivillige i Oslo. Senteret er også en ressurs for andre deler av landet. Vi er opptatt av at de også framover skal ha rammebetingelser som gjør det mulig for dem å fylle en slik rolle. Demens representerer en stor utfordring både for folkehelsen og for omsorgstjenestene. Forskning viser at ulike tiltak kan bremse sykdomsutviklingen og gi pasient og pårørende bedre livskvalitet. Komiteen er opptatt av å se sammenhengen mellom levealder og mål om å forebygge og bremse utvikling av demens. I merknadene om dette er det en feil i innstillingen. På side 9 i det trykte heftet, i siste avsnitt i første spalte, er ordet «flertallet» brukt to ganger der det skulle stått «komiteen». Arbeiderpartiet er også opptatt av de folkehelseutfordringene Norge får som resultat av at vi er blitt et mer mangfoldig samfunn. Diabetesforekomsten blant innvandrerbefolkningen i Norge, særlig blant kvinner fra Sør-Asia, er urovekkende. Vi er opptatt av at det bygges videre på de gode erfaringene Diabetesforbundet og andre har i dialog med minoritetsmiljøene. Aktivitet og arbeid er helsefremmende, mens passivitet og utestengelse bidrar til uhelse. Tiltak for å fremme tilknytning til arbeidslivet har stor betydning for den enkeltes mestring og helse. Regjeringen har innført Jobbsjansen som en permanent ordning fra sommeren 2013. Ordningen retter seg mot innvandrere som står langt fra arbeidslivet. Det er – blant mye annet – også et godt folkehelsetiltak. Omgivelsene betyr mye for livskvalitet og helse. Å drive god by- og stedsutvikling handler også om å fremme folkehelse. Om gang- og sykkelveier nedprioriteres, gir det mindre miljøvennlig transport, mer støy og dårligere luft, men det svekker også folkehelsen.

Mer enn 50 000 barn i Norge bor hos foreldre med et risikofylt alkoholkonsum. Hvert femte barn er overvektig. Under overskriften «Formynderstaten» skrev komitéleder Bent Høie i fjor på sin blogg i Dagens Medisin: «Det er i debatten om virkemidler, at vi nå ser en fremmarsj for overformynderiets ideologi.» Men det er ikke overformynderi å bruke pris, tilgjengelighet eller lovgivning for å beskytte barn mot sykdom. Selvsagt går det grenser, men Høyre er altså imot at barn har rett til et røykfritt miljø med henvisning til et ullent frihetsbegrep. Frihet for hvem? Klisjeen om at vi ikke kan vedta oss til bedre helse er kun det – en klisjé. Det er ikke sant at vi ikke kan vedta bedre helse. Selvsagt kan vi ikke vedta at enkeltpersoner skal trene eller spise sunnere, men gjennom historien har Stortinget gjort mange, mange vedtak som har gitt folk bedre helse. Det er et påfallende fellestrekk ved alle disse vedtakene: Representanter som bruker uttrykket «vi kan ikke vedta oss til bedre helse», har stemt imot. stemt imot. Fremskrittspartiet deler svært mange av intensjonene som regjeringen legger til grunn i folkehelsemeldingen, men mener samtidig at man nok en gang ser en stortingsmelding med mange gode ord og få konkrete forslag. De få forslagene som er i meldingen, viser at regjeringens linje er å begrense folks frihet, og den har få tiltak som gir positiv stimulans til selv å ta større ansvar for egen helse. Det er i altfor liten grad satset på tiltak som vil gjøre det lettere å velge en mer aktiv og sunn tilværelse. Meldingen handler mest om at regjeringen vil vurdere, arbeide for, bidra til, videreutvikle, legge grunnlag for, bygge ut, samarbeide om, tilrettelegge for, videreføre eller bistå med. Vi hadde håpet at helseministeren hadde kommet med noen God folkehelse handler om å gi barna våre trygge og gode oppvekstmuligheter, mestring på skolen med en skoledag uten mobbing, og valgfrihet for eget voksenliv. Kunnskap bygger barn og ungdom til å ta riktige valg for sin framtid. Derfor handler forebygging om mye mer enn hva vi putter i munnen, og hvor mye vi beveger oss. Fedme er ikke alltid et tegn på bare dette, men kan også handle om Jeg ønsker meg derfor en politikk som ikke handler om å peke på late mennesker, men som ser enkeltmennesket, og som skaper trygghet og valgmuligheter. Det er også viktig å ha med seg at sykdommer som f.eks. kreft, ikke bare handler om en dårlig livsstil, men faktisk kan ramme sunne og spreke mennesker, ja det rammer sågar små barn som aldri har rukket å leve usunt. Fremskrittspartiet mener at egen helse i all hovedsak er et individuelt ansvar, et ansvar som folk må ønske å ta. Myndighetene må ha et ansvar for å tilrettelegge for at folk kan velge en livsførsel som fremmer god helse. Vi ønsker oss en skole som i større grad legger til rette for at barn og unge får utløp for sitt naturlige behov for fysisk aktivitet. Skoledagen er i for stor grad basert på fysisk inaktivitet. Derfor har Fremskrittspartiet fremmet forslag om å tilby alle elever fysisk aktivitet i skolen hver skoledag. Dette er et riktig og viktig tiltak fordi det også legger grunnlag for økt læring. Det er i stor grad frivilligheten som er den største tilretteleggeren for bedret folkehelse. Den aktiviserer gjennom en rekke ulike aktiviteter alle aldersgrupper over hele landet og er det fremste Norge kan by på innen folkehelsearbeid. Fremskrittspartiet har derfor foreslått momsfritak for frivillige lag og organisasjoner. Dette ville ha bidratt til en betydelig utbygging av infrastruktur, som ville gitt større tilgang på anlegg og gitt økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Dessverre har frivilligheten store finansieringsbehov for å etablere nye anlegg og oppdatere nødvendig utstyr. Og dessverre står altfor mange svømmebasseng tomme. Det hjelper ikke at regjeringspartiene gjentar til det kjedsommelige at de har økt bevilgningene til kommunene. Fakta er fakta: Pengene strekker ikke til. Riksrevisjonen har avdekket mangelfull måloppnåelse for svømmeanlegg, og det var langt færre basseng åpne og tilgjengelige enn det som framgår av den offisielle statistikken. Riksrevisjonen fant det særlig uheldig at kommuner ikke kan tilby barn og påpekte betydningen av at befolkningen får tilgang til svømmeanlegg. Tall fra Gjensidigestiftelsen viser at halvparten av landets tiåringer ikke kan svømme. Minst 150 000 barn går sommeren i møte uten å kunne svømme. Manglende svømmeferdigheter fører derfor hvert år til at barn drukner. En bedre svømmeopplæring kan føre til færre drukningsulykker, økt fysisk aktivitet og bedre helse i befolkningen generelt. Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for at flere arbeidsgivere blir stimulert til å bidra til at egne arbeidstakere blir mer fysisk aktive. Dette er spesielt viktig ettersom man i det norske arbeidsliv er vesentlig mindre fysisk aktive nå enn for bare noen tiår siden. Vi vil derfor innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt trening. Når det gjelder den eldre befolkningen, ønsker vi å styrke hverdagsrehabiliteringen for dem som er i ferd med å få sviktende helse, og dermed i større grad blir inaktive. I den sammenheng har vi flere ganger fremmet forslag om å innføre Fredericia-modellen fra Danmark, som har oppnådd betydelige resultater med sitt prosjekt. Fremskrittspartiet støtter opp om det viktige arbeidet som gjennomføres gjennom frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre over hele landet. Mange av disse henvender seg spesielt til den gruppen av mennesker som trenger oppfølging og motivasjon for å kunne bedre sin helsesituasjon. I tillegg er det svært viktig at vi greier å gi de eldre som havner i ulike former for eldreinstitusjoner, et aktivitetstilbud. Dette vil bidra til å styrke, ikke bare den fysiske, men også den psykiske, helsen, samt gi økt trivsel. Fysisk aktivitet er viktig for alle. Derfor har Fremskrittspartiet vært så opptatt av at personer med behov for tilrettelagt treningsutstyr, ikke lenger får delfinansiert dette av det offentlige etter fylte 26 år. Dette regelverket må endres, og vi konstaterer at regjeringspartiene kommuniserer dette utad, til tross for at de stemmer imot endringer når de har muligheten i denne sal. Fremskrittspartiet mener det er et paradoks at det store flertallet av partiene på Stortinget har en uttalt målsetting om å bedre tannhelsetilbudet til befolkningen, samtidig som vi ser liten bedring i praksis. Etter åtte år med flertallsregjering er tilbudet innen tannhelsefeltet tilnærmet uendret. Signal om bedre skjermingsordninger og egenandelstak for tannhelsetjenester er ikke fulgt opp. God tannhelse er et grunnleggende fundament for å oppnå god folkehelse. Vi er spesielt bekymret for tannhelsen til personer med store tannhelseutgifter og lav betalingsevne – mennesker som ikke har råd til å opprettholde god tannhelse, og som dermed står i fare for å få en rekke følgesykdommer. bidrar igjen til å skape et helsemessig klasseskille i befolkningen, noe som er unødvendig. Fremskrittspartiet mener at noen av utfordringene vi i dag har, trolig kan løses gjennom bedre diagnostiseringsverktøy, mer treffsikker behandling og også nye legemidler. Det er derfor viktig i et folkehelseperspektiv å styrke forskning og utvikling knyttet til de store Fremskrittspartiet har derfor foreslått å styrke forskning på flere av disse sykdommene, eksempelvis diabetes, KOLS, kreft og demens. Ny teknologi og nye behandlingsmetoder bør også ses på i et forebyggende perspektiv. Fremskrittspartiet mener at norske avgifter i stor grad ikke fremmer folkehelse. For eksempel er ikke sukkeravgiften i realiteten en avgift på sukker. Det er faktisk slik at sukkerfri brus har akkurat den samme avgiften som sukkerholdig brus, noe som gjør at det ikke finnes noen økonomiske stimuli til å velge det sukkerfrie alternativet. Likevel viser statistikken at stadig flere velger det sukkerfrie alternativet. Marengs, som består av over 90 pst. sukker, er fritatt fra sukkeravgift. Marsipan i butikken har sukkeravgift, men ikke om den ligger oppå en kake. Når det gjelder krokan, ser vi noe tilsvarende. Om du kjøper den som hel krokan, i form, er den fritatt fra sukkeravgift, men dersom du kjøper strø-krokan, må du betale avgift. En avgift som er så til de grader tilfeldig, fremmer ikke god helse. Når det gjelder alkohol, har man valgt å øke avgiftene på alkoholfri drikke mer enn på alkoholholdig drikke – en handling som ikke henger sammen med regjeringens fokus på at høye avgifter er avgjørende for å holde forbruket nede. Når vi først er inne på alkohol, er det også verdt å merke seg at i løpet av de siste årene har økningen i Samtidig mener regjeringspartiene at deres alkoholpolitikk er den eneste som virker. Kunnskap om innholdet i mat og drikke er et viktig verktøy for den enkelte med hensyn til å ta gode valg. Dagens merking er verken god nok, universelt utformet eller brukervennlig. På dette området har vi et betydelig forbedringspotensial, og det er å håpe at næringen selv i stadig større grad ser seg tjent med å videreutvikle og forbedre seg på dette området. Fremskrittspartiet støtter ikke innføringen av en forskrift om markedsføring mot barn, men er glad for, og har tillit til, at næringen ivaretar ansvaret den har pålagt seg selv gjennom den forpliktende avtalen, og partnerskapet, som skal iverksettes. Fremskrittspartiet kan ikke få understreket nok at det nå er behov for en Det finnes gode eksempler på prosjekter som gjennomføres for å få flere mennesker tilbake i arbeidslivet. Vi vil bl.a. nevne det samarbeidet kommuner og fylkeskommuner har med friskgårdene flere steder i landet. Vi har merket oss at deres arbeidsmetode bygger på en helsefremmende tilnærming for å styrke mennesker til å mestre arbeidslivet. Fremskrittspartiet ønsker seg en ny opptrappingsplan for psykisk helse, dels fordi vi ikke nådde alle målene fra den forrige opptrappingsplanen, og dels fordi mye av det vi faktisk bygget opp, nå bygges ned. Psykiske plager og lidelser står for så mye smerte og utenforskap at her kan vi ikke hvile. Fremskrittspartiet ser at flere partier er veldig opptatt av sosiale forskjeller og helse, og at man ønsker kunnskap om disse forskjellene. For oss er ikke dette så underlig. Det er de med dårligst helse som lever på uføretrygd eller sosialhjelp, og disse ytelsene er atskillig lavere enn en arbeidsinntekt vil være. Samtidig bruker syke mennesker mye penger på egenandeler, medisiner, tilrettelagte tjenester og utstyr. Det er derfor helt naturlig at dette medfører dårligst råd for dem med dårlig helse. Fremskrittspartiet har Fremskrittspartiet har derfor programfestet, og gjentatte ganger fremmet, forslag som ville ha styrket disse økonomisk, med hensyn til regulering av pensjon, og også for å holde egenandelene nede. Samtidig er Fremskrittspartiet opptatt av å ikke sette folk i bås, slik det gjøres i denne saken, som i andre saker. Ikke alle med lav inntekt har dårlig helse og dør tidlig. Det er heller ikke slik at alle med god råd, har god helse og lever lenge. prosentvis andel kan fortelle oss noe, men brutt ned mot enkeltmennesker ser bildet annerledes ut. Jeg mener det er viktig både å være klar over det og å kommunisere det. Forebygging er viktig, men det er likevel litt morsommere å snakke om livsglede. Jeg vil derfor avslutte mitt innlegg med noen ord om Fremskrittspartiets forslag om Special Olympics Norge. I et folkehelseperspektiv er dette en utrolig viktig sak, som sterkt ligger meg på hjertet. idrettsglede på nøyt nivå – mestring, tilhørighet og fysisk aktivitet. Det lyder som musikk i en helsepolitikers øre. Men fagre ord og muntlig støtte er ikke nok for at denne organisasjonen kan leve videre, utvikle seg og nå enda flere. Special Olympics Norge har startet opp flere aktiviteter for utviklingshemmede som ikke ønsker å bedrive organisert idrett. Tilbudene handler om både fysisk aktivitet og Et av tilbudene er trugeløp. Dette er en aktivitet som passer ekstra godt for mennesker med litt dårlig motorikk. Det arrangeres stevner i Holmenkollen og på Bislett. De er landsdekkende og varer en hel helg. Her samles opp mot 250 deltagere. I tillegg er det mange lokale og regionale arrangementer. Fremskrittspartiet lot seg både sjarmere og overbevise i møter med denne organisasjonen og deres medlemmer samt på deres arrangementer. Vi har et sterkt og inderlig ønske om å bidra til at deres økonomiske situasjon får en løsning i nær fremtid – og i årene videre. Å se pur glede, samhold og likeverd blant utviklingshemmede varmet meg så mye at jeg fikk tårer i øynene, fortalte vår leder, Siv Jensen, til vår stortingsgruppe etter å ha overvært et arrangement i vinter. I ettertid har vi blitt gjort kjent med de økonomiske utfordringene som organisasjonen står overfor derfor dette representantforslaget. I helseministerens svar av 16. mai beskriver han det samme som forslaget gjør. Helseministeren bruker tre hele sider på en virkelighetsbeskrivelse samt en oppramsing av alle mulige andre tiltak som man kan greie å dytte på saken – som en form for unnskyldning for at man ikke støtter forslaget konkret. Dette beklager Fremskrittspartiet, men tar det til etterretning. men tar det til etterretning. Jeg tar likevel opp Fremskrittspartiets forslag i saken. Representanten Kari Kjønaas Kjos har tatt opp det forslaget hun refererte til. til. Når Stortinget i dag behandler en ny stortingsmelding om folkehelse, går det inn i en god tradisjon med at en hvert tiende år behandler en helhetlig stortingsmelding om dette temaet. Stortinget behandlet St.meld. nr. 37 for 1992–1993, Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid, i 1993. I 2003 behandlet Stortinget St.meld. nr. 16 Den inneholdt strategier for den tiårsperioden vi nå har lagt bak oss. I dag behandler vi en stortingsmelding om strategier for den neste perioden, under overskriften «God helse – felles ansvar». Hvis vi ser på innholdet og målsettingene i disse to meldingene – den ene lagt fram av en sentrum–Høyre-regjering og dagens, lagt fram av en rød-grønn regjering – finner vi at det ikke er forskjellene som framstår som det tydeligste, men Situasjonsbeskrivelsen i stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge var at utviklingstrekk i samfunnet gir nye helseutfordringer. Eksemplene som ble trukket fram, var økt globalisering, et flerkulturelt samfunn, et krevende arbeidsliv og rusproblematikk. En viste til at Verdens Helseorganisasjon påpekte at en tredel av den samlede sykdomsbyrden i industrialiserte land skyldes de fem risikofaktorene tobakk, alkohol, høyt blodtrykk, kolesterol og overvekt. Målene i stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge var å få en politikk som kunne bidra til: flere leveår med god helse i befolkningen som helhet å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Har vi så lyktes i den tiårsperioden? Både ja og nei. Vi har lyktes med å få flere leveår i befolkningen som helhet. Men et hovedfunn fra den globale sykdomsbyrdestudien fra 2010 viser at økende levealder er forbundet med flere år med nedsatt helse og sykdomsbyrde fra ikke-dødelige tilstander. Samtidig som levealderen har økt for alle,

Mye tyder på at debutalderen for alkohol går opp, og at andelen som bruker illegale rusmidler, går ned blant de yngste. Men det store bildet er at levealderen stiger som følge at vi har lyktes med å skape et velferdssamfunn. Bedre boforhold, tryggere arbeidsplasser, regulert arbeidstid, økonomi til å kjøpe næringsrik mat og utdanning til Det at vi får flere eldre i Norge, er derfor det fremste uttrykket for at vi har lyktes på mange områder. Samtidig ser vi at livsstilssykdommer utgjør en større del av sykdomsbildet og bidrar til at kvaliteten på de «vonde» leveårene som vi har vunnet, går ned. Det betyr at en betydelig andel av pasientbehandlingen som foregår på sykehusene våre i årene som kommer, vil være Noen antyder at så mye som 80 pst. av behandlingen vil være knyttet til dette. Dette er sykdommer som vi i stor grad kunne ha forhindret ved å lykkes bedre på andre samfunnsområder. For å si det enkelt: Sykehusutgiftene våre vil i årene framover i økende grad være prisen som vi som samfunn må betale for å ha mislyktes på andre samfunnsområder. Hovedløsningen for er altså på andre politikkområder enn den direkte helsepolitikken. Vi ser at hovedforskjellen i helse er knyttet til utdanning og tilknytning til arbeidslivet. Skolen er derfor helt sentral – ikke først og fremst for å kompensere for foreldrene eller samfunnets mangel på oppfølging av barna, men for å gjøre det som nettopp er skolens fremste oppgave: utdanning. Det som vil bety mest for folkehelsen, er at vi klarer å skape en skole med muligheter for alle. Hva forteller internasjonal forskning oss om hva som er viktigst for å nå det målet? Er det skolemat, er det mer fysisk aktivitet i skolen, er det mer valgfag? Nei – svaret er ganske enkelt: Det er læreren. Fem år med en kompetent lærer er nok til å utjevne forskjellene mellom elevene som skyldes foreldrenes utdannings- og inntektsnivå. Derfor er Høyres klare prioritering at et lærerløft er den neste store satsingen, der staten skal ta et ansvar for skolen. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen. Det innebærer rett og plikt til etter- og videreutdanning for de lærerne som er i skolen i dag. Det innebærer en innføring av en femårig masterutdanning for de lærerne som i framtiden skal begynne i skolen, og det innebærer ikke minst muligheten for å gjøre karriere

Det å styrke lokaldemokratiet, styrke familien og styrke og tørre å delegere makt lokalt, er derfor en vesentlig del av folkehelsearbeidet. I Høyre sier vi at maktspredning gjør samfunnet mer robust. I denne sammenheng har frivilligheten en dobbel funksjon. Studier viser at en hovedforklaring på den store tilliten vi som bor i de nordiske landene,

alt fra idrettens omfattende og profesjonelle arbeid med fysisk aktivitet, verdighet og inkludering, til de små velforeningenes årlige grillsammenkomster. Derfor må vi gi frivilligheten økonomiske vilkår og ikke minst bevare dens frihet og armslag. Det enkle er ofte det beste. Jeg vil derfor slå et slag for friluftslivet, den gode norske tradisjonen med å gå en tur i nærmiljøet. Her gjør de interkommunale friluftsrådene og friluftslivets frivillige organisasjoner et fantastisk viktig arbeid, både med den fysiske tilretteleggingen av områder for friluftsliv, som gjør det enkelt tilgjengelig og til en fin opplevelse, og gjennom å organisere felles turer og opplevelser. Det er kjekt å gå på tur, men det er ofte kjekkest å gjøre det sammen med andre. Mange uten familie og venner i nærheten har muligheten til å møte andre gjennom disse organiserte aktivitetene, uten at det koster noe, og i sitt nærmiljø. Den fysiske og psykiske helsen går her bokstavelig talt hånd i hånd – på tur. Som en av frisklivssentralene sier det i sitt motto: «Hvorfor sitte inne – når alt håp er ute?» På denne bakgrunn vil Høyre støtte Venstres forslag

samtidig som vi anerkjenner at vi kan gjøre mye på det overordnede nivået. Derfor er kanskje noe av det viktigste statlige bidraget til folkehelse den reguleringen som vi har på områdene alkohol og tobakk. Bare innenfor området alkohol er det fire helt sentrale virkemidler som det er nødvendig å hegne om også for framtiden. Det er å ha et avgiftsnivå på alkohol som gjør at konsumet holdes nede. å beholde vinmonopolordningen. Det er å ha regulering av salgstider og salgssteder og skjenketider og skjenkesteder, og det er å beholde reklameforbudet. På området tobakk vil et høyt avgiftsnivå være et vesentlig virkemiddel. Derfor foreslår også Høyre i sine alternative statsbudsjetter et høyere avgiftsnivå på tobakk enn det den rød-grønne regjeringen har lagt fram. Dette er effektive virkemidler på et nasjonalt nivå som det er viktig å forsterke videre. Hvorfor er videre. Hvorfor er det sånn at vi i Norge, hvor levestandarden er så god og helsetilstanden i befolkningen er blant de beste i verden, likevel må sette folkehelse og økt innsats for forebygging så høyt på dagsordenen? Er det egentlig nødvendig? Svaret på hvorfor det er nødvendig, ligger i to sider ved vårt samfunn. Det ene er at baksiden av velstandsmedaljen er at vår livsstil knyttet til mindre aktivitet, kosthold, alkohol og tobakk, medfører økt helserisiko og flere livsstilssykdommer. Men det andre – som kanskje er det aller viktigste – er knyttet til de store helseforskjellene i samfunnet som følger de forskjellene som vi ellers kjenner til: klasseskille som ligger i sosial status, posisjon og økonomi. Folkehelsepolitikken er avgjørende for dem av oss som mener at det gode samfunn er det med små forskjeller, og som ønsker å redusere forskjellene ytterligere. De med høyest utdanning og de beste levekårene, har bedre helse og lever lenger enn de som sitter nederst ved bordet. Dette vet vi mer om i dag enn vi gjorde for 10–20 år siden. Vi vet at vi ikke kan behandle oss ut av det, vi vet at selv om vi bruker stadig mer penger på behandling, er reparasjon bare en del av svaret i helsepolitikken. Vi trenger å bruke større ressurser på forebygging. Derfor er vi i SV glad for at regjeringen og Stortinget i forbindelse med behandlingen av Samhandlingsreformen og folkehelseloven, har vedtatt nettopp det; at folkehelse og forebygging skal gis betydelig høyere prioritet i årene som kommer. Den meldingen vi diskuterer i dag, følger opp de føringene og forventningene som ble lagt til grunn da Stortinget behandlet folkehelseloven. Meldingen understreker at staten skal ta et betydelig overordnet ansvar i folkehelsepolitikken, det skal ikke være kommunene og fylkenes ansvar alene. Meldingen understreker videre at alle får et ansvar for folkehelsen, akkurat som næringslivet og arbeidslivet har det. Folkehelse skal være overordnet samfunnspolitikk, ikke bare sektoransvar for helsesektoren og helsemyndighetene. Det skal satses på forskning og kunnskap. Staten skal tilrettelegge for kommunene med økt kunnskap om helsetilstanden i befolkningen lokalt og hvilke tiltak som gir de beste resultatene. Og spesialisthelsetjenesten skal få et betydelig ansvar for forebygging. Det er mange kommuner, organisasjoner, foreninger og frivillige lag som gjør mye på området – tilrettelegger for fysisk aktivitet, organisasjoner bidrar til psykisk helse og forebygging, og ikke minst gjøres en fantastisk innsats innen friluftsliv rundt om i landet. I alle disse miljøene er det store forventninger og ikke minst stor entusiasme knyttet til folkehelsearbeid som bidrar til lokal mobilisering, trivsel, bygging av gode lokalsamfunn og sterke fellesskap. Det er bra at dette skal og må følges opp bedre og med mer ressurser i årene som kommer. Det må satses bredt, sånn at intensjonen med det overordnede folkehelsearbeidet og målretting mot utsatte grupper, følges opp. Vi har noen viktige mål og noen viktige valg i årene som kommer. Det handler om å klare å prioritere forebygging, ikke bare reparasjon. Det handler om å klare å prioritere en politikk som gir mindre, og ikke større, forskjeller, og det handler om virkelig å satse på forebygging på de arenaene der det er viktigst. arenaene der det er viktigst. Der merker jeg meg at det ikke er bare enighet i denne salen. Det er f.eks. betydelig uenighet om hvordan vi skal utvikle morgendagens skoledag, som sannsynligvis er en av de aller viktigste arenaene for folkehelsearbeid. I SV tror vi på en ny skoledag der vi satser på lærerne, men også på å bygge en ny skoledag rundt lærerne – med mat og fysisk aktivitet. Jeg merker meg at Høyre gjør to av til saker de vil profilere seg aktivt imot, både i denne debatten og i valgkampen. Vi tror at kosthold og det å bevege seg, er en forutsetning både for god helse og for kunnskap i morgendagens skoledag. Det er en veldig god stortingsmelding vi behandler i dag. Den kommer til å danne grunnlag for folkehelsepolitikken i lang tid framover. Nå blir jobben for oss å følge dette opp.

Regjeringa har tatt dette på alvor. Folkehelsemeldinga som vi debatterer i dag, er ei oppfølging av folkehelselova som begynte å verka i 2012. Erkjenninga av at det meste som påverkar folkehelsa, skjer utanfor helsevesenet, ligg til grunn. Sosialmedisinsk grunnleggjar Rudolf Virchow sa det slik for 150 år sidan: «Politikk er intet annet enn medisin i stort.» Med det meinte han at politikk er å fordela levekår og verdiar, og dermed helsevilkår, mellom grupper i samfunnet. Når politiske styresmakter lokalt, nasjonalt og globalt fordeler levekår som inntekt, arbeid, utdanning, bustad, mat og miljø, fordeler dei samtidig rammevilkåra for helse. Denne regjeringa sin politikk på andre felt enn helse betyr mykje for folkehelsa. Det er dette perspektivet og erkjenninga som ligg til grunn i folkehelsemeldinga vi behandlar i dag. Vi vil prioritera fellesskap og fellesskapsløysingane. Gratis frukt og grønt i skulen vil gi ein stor helsegevinst. Om berre 3 pst. av elevane aukar sitt permanente inntak av frukt og grønsaker med 25 gram, vil tiltaket vera økonomisk lønsamt. Meir fysisk aktivitet i skuletida vil også bety mykje for folkehelsa. Folkehelseinstituttet antar at auka fysisk aktivitet saman med betre kosthald vil kunna halvera Når astma er årsaka for 20 pst. av barna som blir lagde inn på sjukehus, er det viktig å løysa utfordringane knytte til infrastruktur, luftforureining og inneklima i barnehage og skule. At Nasjonal transportplan har eit lyft for gang- og sykkelveg og trafikksikring av skulevegar, er god folkehelsepolitikk. Å redusera økonomiske forskjellar i befolkninga – tiltak mot barnefattigdom – er å gi grunnleggjande økonomisk tryggleik til alle. Det bidrar til betre helse. Vi må tenkja folkehelse på alle politikkområda. Førebygging og folkehelse er sjølve ryggrada i helsepolitikken. Samhandlingsreforma, som er ei retningsreform for helsevesenet, har dette som sitt utgangspunkt. Førebygging skjer der folk bur og lever sine liv. Derfor er kommunepolitikken viktig, derfor er kommunehelsetenesta heilt sentral. Senterpartiet er svært glad for den opptrappinga av helsestasjonar og skulehelsetenesta som er varsla i meldinga. Dette er Dette er lågterskeltiltak som når alle barn og unge, og der ein kan ha tidleg innsats og driva god førebygging. Forutan kosthald og fysisk aktivitet utgjer også rusmidlar og stråling ei folkehelseutfordring. I 2008 var det ifølgje Folkehelseinstituttet 4 000 innleggingar i somatiske sjukehus forårsaka av alkoholrelaterte lidingar. Halvparten av pasientane ved landets psykiatriske akuttavdelingar har problemfylt bruk av rusmiddel. Mellom 50 000 og 150 000 barn lir på grunn av vaksne sitt rusmisbruk. Derfor er restriktiv alkoholpolitikk god folkehelsepolitikk for å sikra fridom for alle, ikkje berre for nokon få. Noreg ligg i verdstoppen når det gjeld føflekkskreft. Det er ein direkte samanheng mellom bruk av solarium og kreft. Verdas helseorganisasjon plasserer solarium i same kategori som røyking og asbest. Fleire land har innført aldersavgrensing og krav til

mot alkohol, skjenketider, vinmonopolordninga, fjernsynsreklame for alkohol – og ein vil også ha fjernsynsreklame for smertestillande tablettar, for å nemna noko. Opposisjonen er på tilbodssida i valåret. Det hjelper lite når ein ikkje er einig om det aller mest grunnleggjande i helsepolitikken, nemleg ein vil også ha fjernsynsreklame for smertestillande tablettar, for å nemna noko. Opposisjonen er på tilbodssida i valåret. Det hjelper lite når ein ikkje er einig om det aller mest grunnleggjande i helsepolitikken, nemleg folkehelsepolitikken. Helse henger sammen med måten vi organiserer samfunnet vårt på. I det store bildet har vi en god helse, men det er utfordringene vi er satt til å ta tak i fra denne sal. Hovedutfordringene er at de sykdommene vi nå får, skyldes måten vi lever på: litt for mye salt, litt ja, vi er litt for lite fysisk aktive. Og vi vet at fysisk aktivitet også kan henge sammen med vår psykiske helse. Som det gode sentrumspartiet Kristelig Folkeparti er, sier jeg at ja, jeg har selv et ansvar for min helse, og samfunnet har et ansvar. Eller sagt på en annen måte: Helse er både et individuelt og et offentlig ansvar. Jeg har en visjon om at de gode folkehelseløsningene skal være så nær at jeg snubler over dem. Det er dem jeg skal velge når jeg er litt sulten og går inn i kiosken. Det er dem jeg skal velge når jeg lurer litt på hva jeg skal gjøre i helgen. Hvis vi ser ti år tilbake, fant vi firepakninger med epler på bensinstasjonene. Nå er det enkeltepler til fem kroner. Det har skjedd en endring. Det er flott. Og det er veldig bra at det er mange som sier: Vi vil. Vi vil ta de sunne valgene. Men da må vi også legge til rette for det. De må være så snublende nær. En tursti i nærområdet med universell utforming må være snublende nær; en tursti som alle vet om, og som alle kan bruke. Det er en samlet komité som sier at gode oppvekstvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. viktig i seg selv, men det legger samtidig grunnlaget for en helse for resten av livet. 21 organisasjoner, som representerer to millioner mennesker, har skjønt det. De har sagt at de vil ha en time fysisk aktivitet i skolen vet at fysisk aktivitet øker konsentrasjonsevnen, gir mer fysisk og psykisk overskudd, bedrer hukommelsen og øker selvtilliten. Dette er en medisin som jeg kjenner jeg blir litt rørt av. Tenk om vi kunne gjøre noe, slik at våre unger får litt mer selvtillit når de går ut av skolen? Noe som gjør at de litt oftere sier: Ja, jeg kan noe! Fysisk aktivitet kunne være det som gjorde dem litt rakere i ryggen. Fysisk aktivitet kunne være det som ga dem økt selvtillit. Jeg tror at dette er noe vi må gjøre. For det er de gode mønstrene vi må legge til rette for. Da helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte nøkkeltallene for helsetjenesten, sa han at «framtidens helse blir skapt gjennom å satse på dem som er unge i dag». Det er en god setning, en viktig setning å ta med seg. Det dreier seg om fysisk aktivitet, det dreier seg om ernæring, og det dreier seg om psykisk helse – det må være innsatsområdene våre. Solen skinner i dag. Det er godt å ta seg et bad. Vi kan ikke gjøre det akkurat nå. Det er et individuelt ansvar, for familien og for fellesskapet, at vi lærer oss å svømme. Det er store forskjeller. I min hjemkommune, Fredrikstad, så mye om hvor mange timer man skal ha. Men Kristelig Folkeparti mener at det å kunne svømme er viktig, og vi vil innføre en nasjonal prøve i svømming for fjerde Forbrukermakt er viktig, og det ser vi på nedgangen i bruken av palmeolje. Vi vet også at det innenfor næringsmiddelindustrien er et stort forsknings- og utviklingsmiljø som tar de viktige stegene, fra FoU og inn i produksjon. Det er viktig, og derfor har vi tillit til den forpliktende avtalen som nå er inngått mellom næringen og regjeringen med tanke på markedsføringen av usunn mat og drikke overfor barn og unge. Man sier i meldingen at folkehelsepolitikken skal være kunnskapsbasert. Det er viktig. Det sa også Bondevik II-regjeringen. Da vet vi også at den kunnskapen vi har om å bruke nærmiljøene, er viktig å ta med seg videre. Vi vet at de frivillige organisasjonene gjør mye godt folkehelsearbeid. Da må vi satse på frivilligheten. Godt folkehelsearbeid handler til sjuende og sist om å mestre hverdagen, om vi er barn, unge eller gamle. Helse er et viktig område i politikken fordi det inngår i så mange politikkområder, som flere har vært inne på. Selv om Venstre ikke sitter i helse- og omsorgskomiteen i denne perioden, har vi selvsagt vært – og er – opptatt av dette temaet og fremmet en rekke forslag i løpet av fireårsperioden. Vi har fremmet både representantforslag og forslag i våre alternative budsjetter. Alt har selvsagt blitt nedstemt av regjeringspartiene. Noen av Venstres forslag blir fremmet i salen her i dag, så muligheten er der fortsatt. Fram til omtrent 1950-tallet var smittsomme sykdommer vår største helseutfordring. Løsningen på de smittsomme sykdommene var ikke bare den revolusjonerende behandlingen med antibiotika. Det var også kunnskap om hygiene, satt i system gjennom folkeopplysning. Dermed kunne man forebygge antallet nye sykdomsutbrudd, samtidig som man hadde et tilbud om medisin til dem som var rammet av I dag er det de ikke-smittsomme sykdommene som fyller legekontorer og sykehus. I dag består nesten halvparten av sykefraværsstatistikken av muskel- og skjelettlidelser, altså kroniske plager og lidelser, og nærmere 20 pst. av fraværet skyldes lettere psykiske lidelser. Som gammel gymlærer vet jeg at fysisk aktivitet er godt for både kropp og sjel. Jeg er derfor glad for at vår helseminister er så tydelig på dette området. Folkeopplysning og gode rollemodeller er viktig.

Tilskuddet til friluftstiltak må derfor styrkes. Det samme må frivillige organisasjoner som organiserer helsefremmende aktiviteter. Mange av oss vet hvor mye helse som ligger i å gå en tur i naturen. Psykisk helse er – som beskrevet i meldingen – i – i økende grad årsak til frafall og sykmeldinger. Folkehelseinstituttet anslår at de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for psykiske lidelser i Norge beløper seg til mellom 60 mrd. kr og 70 mrd. kr årlig. Beløpet omfatter tapt arbeidsfortjeneste, sykepenger, trygdeutgifter, sosiale ytelser og behandlingskostnader. Ifølge Verdens helseorganisasjon er psykiske lidelser, målt i sykdomsbyrde, den mest kostbare av alle sykdomsgrupper i Norge. Det sier Det sier meg at vi trenger å satse på å styrke folks psykiske helse, helst så tidlig i livsløpet som mulig. En nasjonal opptrappingsplan for helsestasjonene er derfor helt nødvendig. Det samme vil gjelde for skolehelsetjenesten, og derfor vil Venstre gjøre helsesøstrene langt mer tilgjengelige for skoleelever enn de er i dag. Derfor fremmet Venstre nå i vår et representantforslag om et lavterskeltilbud i kommunene med elleve forslag, som alle er viktige forebyggende tiltak i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner om å forebygge mer fremfor å reparere. Representantforslaget ble godt mottatt i komiteen, men selvsagt nedstemt. Venstre fremmer i dag forslag om å styrke utdanningen av helsesøstre til psykologer i kommunene ved å innføre en prøveordning med fastpsykolog i kommunene, og ved å bedre tilskuddsordningen slik at flere psykologer ansettes i kommunene. Forebygging er alltid det beste, og jo raskere man kan få god hjelp, jo bedre. Det er viktig å tilrettelegge for å styrke individet og dets muligheter til å ta ansvar for seg selv, samtidig som samfunnets mindre ressurssterke grupper vil kunne få tilbud og hjelp til veiledning etter behov. Det vil føre til store besparelser for samfunnet og gi økt livskvalitet for den enkelte. Til slutt tar jeg opp Venstres forslag som er omdelt i salen. Representanten har tatt opp de forslagene hun viste til. En av mine viktigste ambisjoner som helse- og omsorgsminister er å sette folkehelsepolitikken høyt på dagsordenen. Det er mange grunner til det. Jeg synes komiteens leder ga én god

Levealderen øker, og det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død av hjerte- og karsykdom de siste tiårene. Folk vurderer sin egen helse som god. Velferdsutvikling og levekår er blant de viktigste påvirkningsfaktorene for den gode helsen. Utviklingen av den norske velferdsstaten og de universelle velferdsordningene er derfor god helsepolitikk – moderne politikk for det 21. århundre – med felles gratis skole for alle barn og unge, bedre boliger, bedre vann- og en god offentlig helsetjeneneste og et arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes rettigheter, helse, miljø og sikkerhet, og med en vilje til omfordeling og rettferdig fordeling. Den positive utviklingen viser at vi har løst mange helseproblemer. Nå må vi ruste oss for å møte nye utfordringer. Vi lever lenger, og det er en ren bonus for velferdsstaten, men samtidig betyr økt levealder også flere syke eldre som trenger hjelp, og at flere rammes av kreft, sykdommer. Sykdomsbildet endrer seg med endret levemønster knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til et stillesittende liv. Og psykiske lidelser utgjør en større del av sykdomsbelastningen, noe vi har debattert mange ganger i denne komité og i denne sal. Den medisinsk-teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere enn før, og folks forventninger til helsetjenesten øker. Samtidig er det slik at vi ser sosiale forskjeller i Selv om alle grupper i Norge har fått bedre helse, er ikke de sosiale forskjellene borte. Folks helse henger nært sammen med levekår og sosiale forhold. Levealderen har økt mest i grupper med lang utdanning og høy inntekt. Regjeringen synliggjorde disse forskjellene i stortingsmeldingen om utjevning av sosiale helseforskjeller, som ble lagt fram i 2007. Siden da har Helsedirektoratet laget årlige rapporter for å følge utviklingen i arbeidet for å redusere disse som publiseres i disse dager, viser at Norge er det landet i Europa som har minst forskjeller i inntekt, og at dette henger sammen med den skattepolitikken og betydelige omfordelingen som finner sted gjennom velferdsordninger. Dette er ikke enkle tiltak, det er ikke slik at vi bedrer folkehelsen ved å trykke på enkelte beslutningsknapper. Dette er en sammensatt politikk. Utfordringene må møtes med en folkehelsepolitikk som trekker lærdommer av fortiden og tilpasser seg utfordringene som vi nå møter. Det skal være en politikk som bygger på den norske velferdsmodellen, og som utvikler seg ved å dra nytte av erfaringer og ny kunnskap. Fortsatt vil derfor arbeid til alle, barnehage til alle, en god skole og en tilgengelig helsetjeneste være viktig. Men vi skal også legge mer vekt på deltagelse og inkludering. For meg er det en videreutvikling av demokratiet. Vi har et spesielt ansvar overfor barn og unge, og derfor må hovedinnsatsen rettes inn her.

og her er det slik at bidrag fra andre statsråder i regjeringen har vært vel så viktige som de som er kommet direkte fra Helsedepartementet. Hensynet til befolkningens helse skal og bør inngå i alle sektorer. Det er det viktigste vi kan gjøre for å styrke folkehelsearbeidet i fremtiden. Jeg er glad for at en samlet komité slutter seg til de ambisiøse målene vi har for denne politikken. Vi har en enestående mulighet til å ta tak i dagens helseutfordringer, med et samfunn preget av sosial trygghet, tillit – og med orden i økonomien. Men det er trekk ved utviklingen som påvirker folks helse i negativ retning, og det har vært berørt i denne debatten: Fysisk aktivitet som en naturlig del av arbeid og daglige gjøremål, er redusert eller nesten borte. Barn blir kjørt til skole og aktiviteter i stedet for å gå eller sykle. Voksne kjører bil til butikken og tar rulletrappen opp og ned, vi tilbringer stadig mer tid foran tv- og dataskjermen, og vi svømmer dårligere. Mat er tilgjengelig nærmest døgnet rundt på møteplasser, arrangementer, bensinstasjoner og i kiosker. Ofte er det usunne matvarer som er lettest tilgjengelig. Regjeringen har som mål å gjøre det lettere å velge sunt. Vi vil sørge for bedre merking av mat, vi skal skjerpe kravet til næringsinnholdet i matvarer, og vi skal arbeide for å etablere en smilefjesordning på serveringsstedene. Vi vil invitere bransjen til samarbeid om merking av energi- og næringsinnhold for mat- og drikkevarer. Vi vil legge bedre til rette for fysisk aktivitet i hverdagen, og vurdere hvordan skoledagen kan organiseres slik at elevene sikres minst én time fysisk aktivitet hver dag. Helsemyndighetene vil samarbeide tett med veimyndighetene for å få flere til å gå eller sykle. Om kort tid etablerer vi et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, som bl.a. skal formidle forskningsbasert kunnskap til barnehager og skoler. I løpet av 2014 setter vi i gang en kampanje for fysisk aktivitet – litt inspirert av røykekampanjene, men nå med et annet fortegn – der befolkningen får informasjon om hva fysisk aktivitet faktisk gjør for kropp og sjel. Så har vi omtalt helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som kommer fram når revidert nasjonalbudsjett vedtas i denne sal. Vi vil også stimulere ytterligere til utvikling av frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud i kommunene, som vist i revidert nasjonalbudsjett. Helse- og omsorgstjenesten har et spesielt ansvar for å støtte det forebyggende arbeidet i andre sektorer gjennom å være en faglig og politisk pådriver. Innstillingen fra komiteen viser at det er tverrpolitisk enighet om at helse må ivaretas i all politikk. Det lover godt for folkehelsearbeidet fremover. Men vi må et skritt videre. Det er ikke bevilgninger, vedtak, regler og lover alene som kommer til å regulere dette. Det er en fin balanse mellom individuelt ansvar og samfunnsansvar, og ikke minst tilrettelegging – i frivillige organisasjoner, fagbevegelse, næringsliv, arbeidsgivere, i hele det sivile samfunnet og i det brede lag av folket. Det trengs en ny tilnærming som motiverer og inspirerer hver enkelt. Vi vil samarbeide mer – og inviterer til det – med næringslivet. Det er en økende forståelse for at folkehelse er en viktig del av næringslivets samfunnsansvar. De som jobber i næringsliv og arbeidsliv, er også foreldre, og de vet hva det handler om. Enkle tiltak som å plassere frukt og grønt godt synlig i butikken, og å minske størrelsen på brusflasker og porsjoner, er tiltak som monner. Og norsk mat- og drikkeindustri, som har fått ned sukkerinnhold, kan gå videre og få ned saltinnhold og ytterligere sukkerinnhold. I møtet med mat- og drikkevarebransjen har vi samme oppfatning av utfordringene med fedme og overvekt, og det at den industrien nå sier at dette er et problem, er et steg i riktig retning. Vi vil begrense markedsføring av usunn mat og drikke til barn som ett av flere tiltak for å fremme gode kostvaner, og jeg er som kjent blitt enig med mat- og drikkevarebransjen om å etablere en forsterket, bransjestyrt reguleringsordning. I innstillingen virker det, bl.a. fra Høyres side, som at dette nærmest kom av seg selv, men jeg tror at planen om å gjennomføre en forskrift om det ikke ble en slik enighet, medvirket til at vi fikk den forståelsen – iallfall hvis vi skal tro næringen selv. Derfor ligger det i skuffen i departementet en regulering som kan brukes, om evalueringen i 2015 viser at dette ikke har ført til de ønskede resultater, men det tror jeg det kommer til å gjøre. Jeg tror vi er på et godt spor. Jeg møter den samme positive oppslutningen i nøkkelsektoren – den frivillige sektor, det sivile samfunnet, der den sosiale kapitalen formes og forvaltes. De frivillige representerer en betydelig ressurs i folkehelsearbeidet. De gjør en uvurderlig innsats, spesielt når det Vi ønsker at de frivillige skal bli enda viktigere samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet, som i omsorgsarbeidet, noe som er hovedbudskapet både i omsorgsmeldingen og i denne meldingen. Derfor har jeg i samarbeid med Røde Kors invitert til et seminar med frivillige organisasjoner 27. juni, i neste uke. Der ønsker jeg å få innspill til hvordan frivillige organisasjoner kan bidra i oppfølgingen av stortingsmeldingene Morgendagens omsorg og folkehelsemeldingen. Jeg vil også etablere et nasjonalt om folkehelseutfordringene mellom frivillige organisasjoner og myndighetene. Til sist så er det et representantforslag om å styrke aktivitets- og folkehelsetilbudet for mennesker med utviklingshemming, og virkemiddelet skal da være å sikre midler til Special Olympics Norges arbeid for mennesker med funksjonshemming. Jeg er fullt ut enig i at mennesker med psykisk utviklingshemming skal sikres et godt aktivitetstilbud med bevegelse, lek og fysisk aktivitet. Vi beveges alle av å se den nytten slik aktivitet har. Gjennom spillemidlene til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, NIF, legger regjeringen til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i idrettsaktiviteter. Mennesker med utviklingshemming er ofte avhengig av det offentlige når det gjelder små og store valg i livet. Samtidig har de den samme retten til et selvstendig liv, og de skal ha de samme valgmulighetene som andre. Dette gjelder også muligheten til delta i idrett eller i andre aktiviteter i dagligliv og fritid – og Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om levekår og tiltak for personer med utviklingshemming. Fritid og idrett er et av temaene som blir tatt opp her. Til slutt: Vi skal utvikle dette arbeidet i tråd med Samhandlingsreformen. Skal vi få mest mulig helse igjen for ressursene, må vi prioritere forebygging. Regjeringens forslag om å legge fram en folkehelsepolitisk melding for Stortinget hvert fjerde år vil legge grunnlaget for en helhetlig drøfting. Da blir det ikke hvert tiende år, som Folkehelsearbeid er samfunnsbygging. Smittevernarbeid og hygienearbeid var en forutsetning for utviklingen av velferdsstaten og det moderne Norge. Vi skal fortsatt ha smitteberedskap, men en fortsatt prioritering av folkehelsepolitikk vil også være like viktig for velstand og fellesskap i det 21. århundret. Det blir replikkordskifte. Det er min påstand at et perfekt eksempel på forebyggende folkehelsearbeid er at et foster får god

at hun har et egenansvar. For fire år siden behandlet vi fødselsmeldingen her i Stortinget. Den kom etter at fagrådet for fødselsomsorg og Statens helsetilsyn kom med krass kritikk av den tjenesten. Det har nå gått fire år siden Stortinget behandlet den meldingen, og bl.a. for å styrke det forebyggende helsearbeidet skulle det utarbeides faglige Disse retningslinjene foreligger fremdeles ikke, og mitt spørsmål er: Når kan vi forvente at regjeringen følger opp Stortingets vedtak? Nå merket jeg meg ikke akkurat den observasjonen i merknadene fra Høyre til folkehelsemeldingen, men jeg hører spørsmålet fra representanten. For å kunne gi henne et presist svar på det vil jeg konsultere i departementet og sørge for at representanten får et godt og opplysende svar i brevs form. Vold mot kvinner er

synes innstillingen omtaler. Derfor drar jeg det opp nå. Det går på forebygging av vold, og at denne kampanjen gir statsråden to utfordringer. De utfordrer ham for det første til å få på plass en nasjonal strategi for forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og at statsråden også tar ansvar for å få på plass en holdningsskapende kampanje. Mitt spørsmål er om statsråden kan ta med seg dette i det videre arbeidet med hensyn til å sette folkehelse høyt på dagsordenen. Det var en god artikkel i Vårt Land, og det er et godt spørsmål. Departementet har begynt arbeidet med svaret. Jeg mener at det er viktig å ha den dialogen, og dette tar jeg veldig på alvor. Vi har tatt opp dette med vold som et helseproblem også i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner, som jeg arbeidet meget nært med justisministeren om. Svaret er ja, vi arbeider for å styrke spesialisthelsetjenestens og helsetjenestens kapasitet til å håndtere det helseproblemet vold er, og vi har også omtalt vold som et helseproblem i folkehelsemeldingen. Det er et uttrykk for en bevissthet om det. Det er også slik at Verdens helseorganisasjon i løpet av de siste 10–15 årene har sett betydningen av å sette vold på dagsordenen som et helseproblem. Dessverre er det slik at det treffer begge kjønn og alle aldre, men særlig kvinner.

Kanskje kan ordet inngå i den forståelsesramma vi skal ha for det breie folkehelsearbeidet regjeringa har tatt initiativ til, og som også berører noe av det mest personlige og menneskelige ved våre liv: det vi er sammen med andre. Folkehelsemeldinga er ny, og den er banebrytende. Med denne meldinga forteller regjeringa om hvordan man vil utmeisle en politikk som kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse for folk gjennom hele livsløpet,

og anerkjenne det helsefremmende ved f.eks. kunst og kulturaktivitet, og at vi kan ha gode arenaer for å samles både for publikumsopplevelser og egen deltakelse. Dette er kvaliteter ved livet vårt, både når vi er barn, unge og voksne – og ikke minst er vel ikke til å legge skjul på at vi som samfunn kanskje ikke fullt og helt anerkjenner de kulturelle og åndelige behovene hos den eldre befolkninga. Vi snakker iallfall ikke så veldig mye om det. Men også når vi blir eldre, har vi mennesker drømmer og ønsker for våre liv. Vi har behov for å kunne delta, gi av vår erfaring, oppleve, og være Heldigvis har regjeringa bevilget penger til gode kulturtiltak spesielt rettet mot eldre og andre som ikke så lett når de generelle tilbudene. Det er mange som er opptatt av – og som kan noe om – hvordan de skapende kreftene i kunst og kultur påvirker helsen vår. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har man forsket på enkeltmenneskers og gruppers deltakelse i kulturlivet og sett på sammenhengen med helse. For mange grupper er Det dreier seg om smertelindring, om å bedre folks psykiske helse ved f.eks. å dempe angst, og om å øke kognitive og språklige ferdigheter. Forskerne i Nord-Trøndelag peker på at vi trenger mer forskning for å få det fulle bildet av de mulighetene som ligger i koblinga mellom kultur og folkehelse. Det tror jeg de har rett i. Ikke minst burde flere ha undersøkt den innvirkninga musikk har på demente, både når det gjelder å oppnå ro og psykisk velbefinnende, og for å finne tilbake litt av det språket som er gått tapt. Et annet godt eksempel finnes i Asker. På Sem gård ble senteret NaKuHel – altså natur-kultur-helse – opprettet i 1994 av professor Gunnar Tellnes, som lenge hadde sett behovet for å koble disse dimensjonene og sette samspillet mellom dem i fokus. Senteret er organisert som en stiftelse og drives i stor grad gjennom frivillig innsats. Her er et stort antall aktivitetsgrupper i sving, med f.eks. musikk, litteratur, lokalhistorie og turaktiviteter på dagsordenen – med bedring av deltakernes helse som et viktig mål. Brukerundersøkelser viser at dette virker etter hensikten. En av deltakerne på senteret sa det slik: Som en omsorgsfull gartner steller en pjuskete blomst, ga NaKuHel-senteret meg akkurat den næringsrike jorda og et passelig klima som jeg fikk hente meg inn i og vokse på. Jeg er opptatt av det helsefremmende perspektivet i folkehelsearbeidet, det som legger til rette for at vi kan leve glade, gode, sosiale og aktive liv. Det perspektivet er sentralt i den store fortellinga om den rød-grønne regjeringa, fra Soria Moria og fram til i dag. Det er det jeg vil kalle ubuntu i den politikken som skal bære oss også i framtida. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

og referere til natur-kultur-helse-senteret i min nabokommune Asker. Dette senteret har 20 års erfaring med helsefremmende arbeid. De samler og formidler kunnskap om opplevd god helse gjennom natur- og kulturopplevelser, fellesskap, selvorganisering og mestring. De fokuserer på den mentale dimensjonen av helsebegrepet, balanse, glede og mestring. Gjennom selvstyrte grupper og satsing på det friske i mennesket oppnås gode resultater med svært begrensede budsjetter. Barn og unge er en viktig målgruppe. Denne høsten gjennomføres et pilotprosjekt sammen med NaKuHel fremhever betydningen av kreative aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet som bidrag til å fremme livskvalitet og forebygge psykiske lidelser. Pilotprosjektet er et første steg mot å etablere NaKuHel-fag i grunnskolen. Senteret har et godt samarbeid med hjemkommunen, Asker kommune. Samarbeid med andre kommuner skal bidra til å spre kunnskapen regionalt og nasjonalt. NaKuHel-modellen er innovativ og annerledes, og jeg mener den er et viktig bidrag til nye skritt i Senteret utreder hvordan konseptet kan videreutvikles som et regionalt inspirasjons- og kunnskapssenter for kommuner og frivillige organisasjoner for å nå målene i folkehelsemeldingen. Jeg sa at her oppnår man masse resultater med svært begrensede midler. I debattene vi har om folkehelsemeldingen – akkurat som i dem vi hadde om Samhandlingsreformen – blir det ofte sagt at for å kunne starte forebyggende helsearbeid, må man først ha store bevilgninger. Noe trenger bevilgninger, men akkurat på det forebyggende området er det masse som ikke koster én krone. Det koster ikke mer å lage en god arealplan i en kommune enn en dårlig. Det koster ingenting å ikke sette ut en colaautomat på en skole, og det koster ingenting å gi en man møter om Da utløses gladhormoner i hjernen både hos den som smiler og den som mottar smilet, og så lever vi noen sekunder lenger. For å følge opp siste taler må jeg For å følge opp siste taler må jeg si at det meste av det positive du kan gjøre på dette området, koster svært lite, men er svært lønnsomt. I så måte vil jeg gi honnør til både statsråden og regjeringa for å være så tydelige på dette feltet. Det har betydning også utenfor helsepolitikken fra et reparasjonssamfunn til et forebyggende samfunn, enten det er i sosialpolitikken som sådan, justispolitikken eller mer definert inn i helsepolitikken. Denne typen debatter som ren metode syns jeg Stortinget skulle dvele mer ved og gi høyere status. I så måte er jeg glad for så tydelig melding og så tydelig perspektiv som jeg har sett i løpet av det siste. Det trengs. Det trengs ut ifra et status. I så måte er jeg glad for så tydelig melding og så tydelig perspektiv som jeg har sett i løpet av det siste. Det trengs. Det trengs ut ifra et livskvalitetsstempel, men det trengs også i aller høyeste grad ut ifra en diskusjon om hvor stor kapasitet velferdssamfunnet – og særlig det offentlige – skal ha i framtida. Da trenger man å diskutere forebygging. Ved siden av alle effektivitetsdebatter vil forebygging, tror jeg, bli

for folk, enten det er barn eller voksne, til å leve mer fullverdige liv enn de ellers kunne gjort om ikke tiltakene hadde vært satt inn. I så måte er det et paradoks at de som kanskje er ivrigst på reparasjon og villigst til å bevilge mest mulig penger ved enhver anledning, er dem som kanskje bremser mest på den effektive forebygginga. Til slutt har jeg lyst til å understreke at forebygging handler om noe mer enn bare at frivillige organisasjoner drar deg med på tur. Jeg ble møtt av Turistforeningen i dag tidlig som hadde gode turalternativer, og vi må ha det også. Men det handler i stor grad om politikk, om tilgjengelighet, om lovverk – som representanten Høye var inne på – og om pris. Kanskje litt utover Fremskrittspartiets marengsargumentasjon. Alkoholpolitikken er et slikt virkemiddel. Bare for noen år siden kom Verdens helseorganisasjon med tall om at 600 000 mennesker dør av alkohol. Én av fire er unge menn. I Norge er disse tallene betydelig lavere. Det viser at man har lyktes i veldig stor grad med den forebyggende politikken i Norge. Politikken har i så måte gitt mye liv og frihet tilbake.

Det handler om hvor fysisk aktive vi er, og hva vi spiser. Det handler om våre vaner og uvaner, og det som skjer fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden. Folkehelse kan heller ikke avgrenses til en kort periode i vårt liv. Grunnlaget legges mens vi er barn og følger oss opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet. Vi voksne mennesker påvirker igjen våre barn. Helsen vår avgjør stort sett hvor gamle vi blir, og hvordan alderdommen skal fortone seg.

Ikke minst legges det ned et stort arbeid gjennom barne- og ungdomsidretten, men det når ikke fram til alle. Den fysiske aktiviteten blant nordmenn har gått ned de siste 50 årene, og stadig færre har hardt fysisk arbeid. Vi kjører bil, og mange er opptatt av stillesittende arbeid og aktiviteter på fritiden. Spesielt er det bekymringsfullt at altfor mange barn er inaktive. Anne Lise Ryel i Kreftforeningen har sagt det ganske treffende:

tilgang til svømmeundervisning og svømmehaller er viktige faktorer, og skole og hjem må samarbeide. Skolen kan ikke alene løse utfordringene med å gi barna nok daglig fysisk aktivitet. Det er så absolutt også et foreldreansvar. Det er

folkehelsevalg. Tirsdag vedtok vi Nasjonal transportplan for 2014–2023. Transportplanen som skisserer transportpolitikken for de neste ti årene, er også en viktig plan for folkehelsearbeidet. De valgene som ble tatt tirsdag om satsing på kollektivtransport og sykkel- og gangveier i storbyene er viktige for folkehelsen. Jeg kan ikke huske at noen av dem som deltok i debatten, nevnte ordet folkehelse. Men om det var noen av oss som gjorde det, er jeg ganske sikker på at det var i samme setning som man også nevnte ordene gang- og sykkelvei. Det er det som er det mest opplagte område å se i sammenheng med helse. Det å bruke over 8 mrd. kr på gang- og sykkelveier de neste ti årene vil være med på å medvirke til at flere velger å gå og sykle framfor å ta bilen. Den store folkehelseutfordringa innafor samferdselssektoren er trafikkulykkene. I 2012 mistet 145 mennesker livet i trafikken i Norge, og 699 mennesker ble hardt skadd. Dette er 145 for mange menneskeliv som ble tapt, men det er det laveste tallet på antall drepte og skadde på norske veier siden 1950, og det er 30 pst. lavere enn i 2005, til tross for at trafikken har økt med 12 pst. De rød-grønne partiene og regjeringen har overoppfylt den gjeldende nasjonale transportplanen når det gjelder penger. Det er viktig, men det er enda viktigere at den har overoppfylt når det gjelder trafikksikkerhet. Det er enda færre drepte og hardt skadde på norske veier nå enn det som var etappemålet i den gjeldende nasjonale transportplan. Og når vi ser at tallet på antall drepte ved utgangen av mai var seks færre enn på samme tidspunkt i 2012, er det grunn til å anta at den positive trenden fortsetter. Nullvisjonen, visjonen om en framtid uten drepte og hardt skadde i trafikken, er en viktig ledestjerne og ligger til grunn for Men når vi har kommet så langt ned i antall drepte og hardt skadde i trafikken, er det ambisiøst at vi har satt et etappemål for neste nasjonale transportplan på en halvering av antall drepte og hardt skadde. Det vil kreve at vi tar i bruk stadig nye og mer effektive tiltak for en stadig tryggere trafikk. For å komme videre i trafikksikkerhetsarbeidet – og dermed også i folkehelsearbeidet – må vi ta i bruk tiltak som er mer målrettede enn de er i dag, tiltak som er kontroversielle, tiltak som faktisk vil kreve modige politikere. Derfor passer det godt for meg å avslutte mitt siste innlegg fra Stortingets talerstol med følgende hilsen til de politikerne som skal styre landet fra høsten av: Dersom vi virkelig mener noe med en nullvisjon, vil det kreve kontroversielle beslutninger av modige politikere. Vi trenger et bredt spekter av tiltak for å nå ambisiøse etappemål. Folkehelse handler om livet og livskvalitet. Vi har ingen å miste, heller ikke i trafikken.

Helse er evnen til å mestre hverdagens krav, sa folkeopplyseren Peter F. Hjort. Jeg synes det på en god måte summerer en retning for folkehelsearbeidet. Selvorganisert selvhjelp er en forståelse og et bidrag i folkehelsearbeidet som handler om akkurat dette, å gi den enkelte mulighet til å mestre. Selvhjelpsarbeidet legger til grunn at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er en vei for å finne ressursene og ta dem i bruk. Verdiene av dette helseperspektivet er viktig i folkehelsearbeidet og handler ikke bare om arbeid i selvhjelpsgrupper.

vil styrke folkehelsearbeidet og en bærekraftig velferdsstat. Den nasjonale planen for selvhjelp, som nå er til revidering i Helsedirektoratet, har som mål at alle skal ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Her gjør Selvhjelp Norge et godt og svært viktig arbeid. Selvorganisert selvhjelp gjør oss sterkere som brukere og Slik skapes varige og gode forandringer når livsproblemer har vokst seg for store. Det må sies at selvorganisert selvhjelp er en av de solide bunnplankene i vårt

Først og fremst vil jeg gi honnør til helseministeren som så tydelig har løftet fram folkehelsearbeidet i samfunnsdebatten – gjennom denne folkehelsemeldingen og ikke minst gjennom Samhandlingsreformen, som vi tidligere har hatt til behandling, og ny folkehelselov. Det har gjort at

sitatet fra forrige utenriksminister. Bomiljø, utdanning, arbeid, fritid og sosiale relasjoner påvirker vår helse hver eneste dag. Dette innebærer at vi må ha et stort engasjement og involvering fra mange sektorer i samfunnet. God helse er et felles ansvar. Vi må legge til rette for sunne valg. Å legge til rette for sunne valg handler om å trekke fram noen gode løsninger, samtidig som man er veldig restriktiv på andre områder. Dette vil gjøre at man begrenser de livsstilssykdommene vi ser. Vi ser at livsstilsykdommer blir et større og større problem rundt omkring i hele verden. En time fysisk aktivitet er et viktig tiltak for å stimulere barn og unge til å være i aktivitet, enten det er i barnehagen eller om det er på skolen. Gang- og sykkelveier er også viktige. Derfor har vi gjennom Nasjonal transportplan lagt opp til en formidabel satsing, for vi ønsker at barn og unge skal sykle til og fra skolen. Å utvide ordningen med gratis frukt og grønt er også viktig, også for at man skal lære å velge det som er sunt. Jeg husker en dag jeg skulle hente mine barn i barnehagen. Det var en kald vinterdag, og jeg lot bilen stå på tomgang.

både hjemme, på skolen og i fritiden, og at vi stimulerer alle til det. Ettersom vi snakker om folkehelse, må jeg tegne meg på talerlisten en gang til. – Da får jeg gå én runde til opp hit. God helse er

men samfunnet har ansvar for alles helse. Da må vi gjøre det enkelt å gjøre gode valg. Altfor ofte handler helsedebattene om reparasjon og behandling av sykdommer og lidelser, ikke hvordan vi kan forebygge dem. Det er ikke alltid like populært å fronte de tiltakene som forebygger. Fremskrittspartiet, som er veldig ivrig etter å debattere rusbehandling, er ikke like villig til å forebygge. De vil at 18-åringer skal kunne kjøpe sprit i dagligvarebutikken i hele butikkens åpningstid. Det betyr at en 18-åring skal kunne kjøpe seg vin, øl og sprit i butikken fra kl. 07 om morgen til kl. 23 på kvelden, samt på søndager og helligdager, og at man i tillegg vil senke avgiftene på tobakk og alkohol og innføre EUs tollregler på disse varene, er vel heller ikke gode tiltak for å forebygge sykdom og lidelser. Venstre som også er et parti som liker å markere seg i rusdebattene, skal ha vin og sterkøl i butikkene. Det er litt spesielt når alle er enige om at det å forebygge er bra, at man ikke vil ha regulative tiltak, som vi vet beviselig virker. Vi vet at det er viktig for barns læring at de har spist. Det er bekymringsfullt at mange barn ikke har fått i seg mat før de kommer på skolen, eller at de ikke har med seg Derfor må vi ha flere opplegg som det de har på Grålum skole i Sarpsborg. For 80 000 kr i året har skolen gratis frokost hver dag – det dekker både kostnader til mat og lønnskostnader til assistent. Tre dager i uken kan elevene kjøpe seg lunsj for mellom 15–25 kr. Både elevene, foreldrene og lærerne er veldig fornøyd med det opplegget. Lærerne sier det har stor betydning for konsentrasjonen til

Det er bedre å bygge sunne barn enn å reparere syke voksne. Som vi har hørt i debatten her, er

Men én ting er vi litt mer politisk uenige om, og det er bruken av og tilgjengeligheten til alkohol, og hva det betyr for folkehelsen. Når Venstre og Fremskrittspartiet f.eks. vil øke tilgjengeligheten – ha vin i butikk og lengre åpningstider – gir det dårlige signaler med tanke på folkehelsen. De sier altså én ting – det er bra med folkehelse – men de vil noe annet. Velferdsutvalget i Nordisk råd har satt søkelys på alkoholbruk sett i et folkehelseperspektiv i Norden. Utvalgsforslaget, som fikk stor tilslutning på sesjonen, består av tolv godt begrunnede forslag som bør være lette å gjennomføre. Det bes bl.a. opprettet en arbeidsgruppe som skal se på relevansen av all den forskningen som er gjort, for å finne de beste løsningene for å redusere problemene. Det er også viktig å styrke den evidensbaserte forskningen for å kunne se virkningen på kroniske sykdommer, livsstilsykdommer og virkningen på barn og unge som vokser opp i hjem med alvorlig alkoholmisbruk. Alkolås som alkoholpolitisk tiltak er også nevnt, da ulykker relatert til bilbruk og alkohol har store konsekvenser og rammer mange barn og voksne. Det pekes også på at vi må samarbeide mer i Norden, mer med EU og med andre aktører for å finne gode løsninger, fordi vi erkjenner at alle land har de samme store utfordringene. Rådet som kommer fra alle store forskermiljøer, er at tilgjengelighet og pris er de beste virkemidlene. de beste virkemidlene. De fleste anbefaler at alle bør følge Norges modell med et vinmonopol. Det å svekke eller uthule vinmonopolet er derfor feil vei å gå hvis vi mener noe med at vi skal påvirke folkehelsen. Det er viktig at en har et bevisst forhold til at også alkoholpolitikken som føres i landet, påvirker folkehelsen. Til sak nr. 12, representantforslag fra Fremskrittspartiet om Special Olympics Norge: En samlet komité er

ofte avhengig av god tilrettelegging og organiserte tilbud i regi av idrettslag, andre frivillige lag og foreninger – ofte i samarbeid med lokale myndigheter. Jeg viser til at regjeringen gjennom spillemiddeltildelingen til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legger til rette for bred idrettsdeltagelse i nærmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne, og vil fremheve idrettens arbeid med integrering, der de ulike organisasjonsleddene har ansvar for tilbudene til personer med nedsatt funksjonsevne. Special Olympics Norge er ikke medlem av Idrettsforbundet – dette forhold tas ikke opp i representantforslaget. Organisasjonen har hatt en samarbeidsavtale med Idrettsforbundet som ble sagt opp tidligere i år etter at Special Olympics Norge hadde inngått et samarbeid med Eurolotto. Special Olympics-bevegelsen arbeider med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning, og mange norske idrettsprofiler støtter organisasjonen med ambassadørarbeid. Norske idrettsutøvere markerer seg sterkt internasjonalt også her. Special Olympics ble arrangert i Pyeongchang i Sør-Korea fra 29. januar til 5. februar i med 27 deltagere, vant hele 16 gull-, 10 sølv- og 20 bronsemedaljer. Dette er en dobling sammenlignet med mesterskapet for fire år siden i Idaho, USA. Det er en ære å få gratulere fra Stortingets talerstol. Så gode resultater skyldes kanskje litt organisering og støtteapparat, men det er de aktive selv som viser utholdenhet i treningen, og som er best når det gjelder. Når det gjelder Fremskrittspartiets verbalforslag i seg selv, mener vi det vil ha sin naturlige plass som en del av Stortingets behandling av budsjettet senere i år. Eg har ein kommentar til skulemat. Representanten Høie sa frå talarstolen at skulemat ikkje er

Eg meiner at Høgre og Høie tar feil. Å utvida skulefruktordninga og styrka mattilbodet i skulane er ikkje ei skuleprioritering, det er ei helseprioritering. Å satsa på skulemåltid er eit val mellom reparasjon og førebygging. Det er ikkje eit val mellom frukt- og grøntordninga og betre lærarar. Det er eit val mellom å få endå større helseutgifter og behandlingskøar i framtida og å gjera noko for å redusera desse. Det er eit val om å redusera sosiale helseforskjellar i befolkninga, og det er ei helseprioritering for å gi barn og unge like moglegheiter for god helse. Dette er då ei helseprioritering Høgre og heller ikkje Venstre og Kristeleg Folkeparti er villige til å ta. Dei går faktisk til val på at dei skal fjerna frukt- og grøntordninga. Det kan eg ikkje forstå. Det er greitt nok at dette ikkje vart innført av dei, men at ein vil ta vekk gratisepla frå elevane i grunnskulen etter valet, med den grunngivinga at det ta vekk gratisepla frå elevane i grunnskulen etter valet, med den grunngivinga at det skal gjera læringa betre, kan eg ikkje forstå. Vi veit betre. Erfaringane med frukt og grønt og skulemåltid viser at det gir betre læring. Det gir meir konsentrasjon, det gir meir ro i klasserommet,

kommentar til Framstegspartiet som viser til at alkoholinntaket har auka i Noreg – og at det er eit bevis på at politikken vår ikkje verkar. Eg må berre få seia at det er eit litt lettvint poeng. Kastar ein eit blikk nedover i Europa, ser ein jammen konsekvensen av kva ein alternativ alkoholpolitikk vil vera – noko Framstegspartiet går inn for. Framstegspartiet vil bruka forsking som vil bruka forsking som eit tiltak for å betra folkehelsa. Forsking er alltid bra, men det er jo rart at Framstegspartiet nektar å ta inn over seg den forskinga og kunnskapen vi har, om samanhengen mellom ein restriktiv alkoholpolitikk og tilgjengelegheit, og mellom pris og alkoholkonsum. Noen tilleggskommentarer – den ene går på det

Det andre er at vi støtter opp om Folkehelseinstituttets mulighet til å drive avansert forskning på folkehelse. Det er veldig viktig for politikkutformingen, og jeg håper at Stortinget vil være det bevisst. Nå er det slik at jeg som helseminister gleder meg over alt vi har felles i denne sal, og jeg vil ikke snakke noe av det ned. Men jeg vil jo minne om at det er noen dypere forhold her som faktisk trekker i litt ulik retning. Jeg mener at Fremskrittspartiet f.eks. er veldig gode på å presentere en lang rekke forslag til å styrke reparasjonsevnen, mens de på det som leder til de problemene som må repareres, slipper ganske fritt ut – enten det handler om alkohol eller tobakk. Vi har føflekk-kreft/solarium som et eksempel, hvor man mener at de tiltakene som der er truffet, skal fjernes, eller f.eks. innhold i mat. Både Høyre og Fremskrittspartiet har forslag når det gjelder fordelingspolitikk, som vil trekke i retning av større forskjeller – det blir tidvis også fremhevet som en fordel – men den undersøkelsen som Helsedirektoratet legger fram i dag, viser nettopp at små forskjeller er bra for helse. Så undrer jeg meg veldig over, og jeg synes Kjersti Toppe holdt et godt innlegg her, at svaret – på utfordringene med mat og fysisk aktivitet i skolen – fra Høyre er å si: læreren. Jeg tenker: Hvor er motsetningen? Vi er alle for bedre og flere lærere. Det er viktig for skolen. Men det er et krysningspunkt mellom helse og læring: at elevene er rolige, har spist og får delta, og at de er sosialt sett jevnt fordelt. Jeg synes det er en underlig kortslutning og en ganske talende holdning. Helt til sist: Det er mange forslag om at man skal fjerne avgifter her og fjerne avgifter der. Jeg er ikke imot å se på disse virkemidlene, men jeg tror vi må innse at de har varierende til begrenset virkning på forbruket. På ett område synes jeg det er interessant å se at mens Fremskrittspartiet nå fronter skattefritak for trening på treningsstudioer – det tror jeg treningsstudioene er veldig for, og jeg vil ikke snakke ned betydningen av at flere trener på treningsstudio – sier veldig mange i denne salen, og det er jeg veldig glad for, at det aller viktigste vi kan gjøre, særlig for dem som sitter helt stille, er å bruke en urnorsk ressurs som ligger der helt gratis, og som 80 pst. av oss sier at vi gjerne bruker om vi skal bevege oss, nemlig friluftsliv. Det er ikke bare noe som skal se ut som en prektig holdning til at alle skal gå på tur. Jeg er veldig imponert over hvordan mange kommuner legger til rette for friluftsliv ved å gjøre veien kortere til det som allerede ligger der, og er et unikt folkehelsefortrinn for Norge. Skolen er Norge. Skolen er en viktig arena for forebyggende arbeid. Læreplanene legger til rette for at barn og unge skal få kunnskap om hvordan man best kan ta vare på egen helse ved å spise sunt og være fysisk aktiv. Men skolen alene kan ikke berge folkehelsen. Høyre mener at det er avgjørende å forsterke samarbeidet mellom skole og hjem på dette området. Skolen må bidra til å gi foreldrene innsikt i forskning om betydningen av at barn spiser frokost, har med mat på skolen skolen og er i aktivitet også etter skoletid. Høyre vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet for elevene. Kommunene må utfordres til å utnytte det lokale handlingsrommet bedre, og kan f.eks. organisere skoledagen med lengre pauser som gir elevene større mulighet til å være fysisk aktive. Det er unektelig et stort paradoks at vi aldri har hatt flere men at vi heller aldri har hatt flere foreldre som kjører ungene til skolen, eller unger som får skoleskyss. Samtidig har vi undersøkelser som viser at det å gå til skolen er den beste starten på skoledagen, fordi elevene da møter våknere og kvikkere, og får større utbytte av den første delen av skoledagen. En god skolehelsetjeneste er også viktig for å forebygge og hjelpe de mange barn og ungdommer som sliter med psykisk sykdom.

I Harstad har helsesøster Solveig Rostøl Bakken og kirurg og professor Børge Ytterstad vært pionerer, og satt varige spor etter seg. Folkehelsegevinsten er udiskutabel når skåldingsskader hos små barn er så godt som utryddet, og når man i kommunen og eldreomsorgen har fått oppskriften på hvordan lårhalsbrudd hos eldre effektivt kan forebygges. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer og god ulykkesstatistikk har gjort det mulig å sette inn treffsikre forebyggende tiltak.

Bedre kartlegging av ulykkesårsaker kan derfor være nøkkelen til sparte liv og flere gode leveår. Et godt skaderegister er derfor et godt folkehelsetiltak. Først vil jeg slutte meg fullt og helt til representanten Toppes innlegg og helseministerens siste innlegg. Jeg er også veldig forundret over at opposisjonen ikke forstår at skolemat og skolefrukt er bra. For å si det sånn, man får ikke særlig mange lærere for noen bananer. Hvis man er opptatt av det, må man prioritere lærere. Det ønsker SV, og det utfordrer jeg opposisjonen på. Men jeg har tenkt å ta ordet til en annen sak, og det handler om at folkehelse også må handle om at helsevesenet ikke påfører folk helseproblemer. Det er mye medikamentbruk i Norge. Én type medikamenter som det brukes fryktelig mye av, er de såkalte B-preparater: sovemedisiner, beroligende piller og smertestillende tabletter. Det er det man tar, og får, i forbindelse med livets kriser – veldig ofte altfor lenge. Det står i veilederen at man ikke skal ta disse medisinene lenge. Så oppstår det bivirkninger, som blir diagnostisert som ny sykdom, ofte psykisk, noen ganger fysisk, og man blir igjen medisinert. Dette blir folk syke av. I Sverige og i Danmark har en store faglige enheter på dette, i Norge behandler vi dette sammen med både rus og annet. Dette er ikke rus. Det er ikke mennesker som har søkt rus, det er mennesker som søker demping av en smerte, og som blir påført et helseproblem. helseproblem. Jeg er veldig glad for de merknadene som er kommet inn om at man nå skal ha en veileder, og jobbe med det. Men jeg tror ikke at det er mangel på veileder egentlig, for den som finnes, er ganske god, hvis den hadde blitt brukt. Men helseministeren sa at det var viktig å samle kunnskap, og jeg vil utfordre helseministeren litt på det å gå inn i dette feltet. Jeg har i alle de årene jeg har vært på Stortinget, jobbet med folk som har falt ut av arbeidslivet, og har det sosialt vanskelig. I Sverige har man undersøkt det, og funnet ut at av de som detter ut av arbeidslivet og aldri greier å få fotfeste igjen, er det over 80 pst. som har en slik medikamentbruk, og som har fått store helseproblemer – det er kjernen til problemene som gjør at de ikke kommer seg opp igjen. Problemet er at det er vanskelig å trappe ned på dette. Noen blir trappet ned altfor fort, eller legen bare slutter. Det ender ofte i et rusmisbruk. Det trengs etter min mening tilfriskningsenheter i alle helseregionene for dette. Det trengs kunnskap hos primærlegene for ikke å påføre folk helseproblemer, og i så fall hjelpe dem ut av det på en faglig bedre måte enn man gjør i dag. Jeg er helt sikker på at et dypdykk ned i denne kunnskapen er nødvendig i Norge, for jeg er ganske sikker på at vi ikke har all kunnskapen, og i hvert fall på at den ikke er til stede i primærhelsetjenesten hos fastlegene, som er de som skriver ut medisiner, og som ikke alltid er i stand til å veilede slik at folk kan komme ut av dette igjen. Psykisk helse må ses i et folkehelseperspektiv, fordi alle har det. Det handler om glede og sorg, eller tristhet, det handler om hvordan vi tenker, vår atferd, hvordan vi opptrer i grupper, og hvordan vi er alene. Det handler om hvordan vi utvikler oss, om utadvendthet og innadvendthet, om holdninger og om engstelighet og mestring. Det handler rett og slett om hvordan vi går gjennom livet. Ser en på psykologien som fag, vil en fort oppdage at det vi kaller sykdom, er viktig, men utgjør bare en liten del av faget. Vi hører ofte at verdien av innbyggernes arbeidskraft er større enn det vi har i oljeformuen. Da sier det seg selv at hvordan vi tar vare på den psykiske helsen, handler om hvordan vi forvalter landets mentale kapital. Forebyggingen må starte tidlig. Barnehagereformen har gitt uante positive effekter. Det er omfattende dokumentasjon på at barnehager av høy kvalitet har store og langvarige positive virkninger på barns senere psykiske helseutvikling. Virkningen er aller størst for barn som kommer fra hjem der foreldrene har lav utdanning og inntekt. Fordi barna begynner der i tidlig alder, og nesten alle er der, og fordi det miljømessige grunnlaget for god psykisk helse gjerne legges i de tidlige barneårene, har barnehagene fått en betydning for folkehelsen som ingen i utgangspunktet hadde regnet med. der, og fordi det miljømessige grunnlaget for god psykisk helse gjerne legges i de tidlige barneårene, har barnehagene fått en betydning for folkehelsen som ingen i utgangspunktet hadde regnet med. Det er i barnehagen barn lærer å regulere følelsene sine, tenke logisk og kreativt, utfolde og styre atferden sin, håndtere forholdet sitt til andre og mestre utfordring og konflikt. Det er viktig at barnehagene fremmer psykisk helse og trivsel og bygger opp evnen til å stå imot belastninger som senere i livet kan føre til psykiske lidelser. Formålsparagrafen i Skolen er en arena hvor barn møtes, og lærer. Der lærer de om fysisk helse, og om hvordan kroppen henger sammen, men jeg har gått igjennom læreplanene med psykisk helse for øye, og temaet er nesten fraværende. Dermed lærer ikke barn nok om hvordan hjernen fungerer, eller trener på evnen til å sette ord på det de opplever i livet. Utfordringene til barn oppdages for sent. Så det må tas en diskusjon om psykisk helse i skolen. Jeg vil gjerne berømme komiteen for å omtale lavterskeltilbud for barn og unge i skolen og satsing på skolehelsetjenesten. Det er helt riktig vei å gå, fordi alle har en psykisk helse. Rød-grønn resept er sunt. Det gir bedre folkehelse. Det gir et kulturløft. Det gir et frivillighetsløft. Og det gir et idrettsløft. Frivillig sektor er viktig for å nå gode og viktige folkehelsemål. Fremskrittspartiet var inne på dette at vi satser for lite på frivillig sektor. Jeg vil bare minne om at i årets statsbudsjett ligger det 950 mill. kr i momskompensasjon, og til neste år er det lovet at det skal gå opp til 1,2 mrd. kr. Det er en omforent løsning mellom frivillig sektor og regjeringen. I tillegg er det i inneværende budsjett bevilget 62 mill. kr til idrettsanlegg – av momskompensasjonen, som er en 100 pst. kompensasjon – og også i 2010 og 2011, med en er gitt grasrotmidler til frivillig sektor på over 600 mill. kr. Det er også sagt at tippenøkkelen skal endres, til 64 pst., som vil bety en økning på over 600–700 mill. kr til norsk idrett, til å drive fysisk aktivitet. Vi har fått mange gode innspill fra frivilligheten og norsk idrett. I dag ga jeg ut en pris, «Et sprekere storting». Vi har her i huset hatt klubbmesterskap i å gå

på lik linje med regjeringen, ønsker høye avgifter på tobakk og snus, og ikke minst på alkohol. Slik begrenser man alkoholforbruket og slår samtidig ring om vinmonopolordningen, som gjør at begrensningen av alkohol blir stor. Det er viktig, tror jeg, når vi ser at mer tilgjengelighet til og lavere priser på tobakk, snus og alkohol gjør at forbruket øker. Det er artig å se at et samlet storting, unntatt Fremskrittspartiet, er på linje for å gjøre tiltak for å bedre folkehelsen – som en viktig bit i tiden framover. Det må vi få fram på en god måte. God informasjon ut i samfunnet er viktig – på skoler, gjennom organisasjoner som MOT osv. Dette må vi satse på også i framtiden. God informasjon for riktige valg er viktig.

og ikke grupper. Det er bare trist. Som sosialdemokrat er jeg opptatt av å få fram hvor avhengige vi som mennesker er av fellesskap. Vi trenger å høre til et fellesskap. Vi trenger å kjenne en betydning i hverdagen, vi trenger å bety noe for andre. Det er mye folkehelse når vi føler det. Vi ser åpenbare og veldig tydelige folkehelseproblemer som følge av dyrking av individ og kropp, reklame, frislipp av alkohol og tobakk, ensomhet osv. Derfor er jeg som sosialdemokrat også opptatt av at vi må bygge samfunn hvor vi tar ansvar for hverandre, og hvor vi løfter i flokk. Dette er et stort frihetsprosjekt, for frihet er ikke bare frihet til, det er også frihet fra, noe diskusjonen rundt røykeloven er et viktig eksempel på. Her er folkehelsemeldingen banebrytende. Jeg vil særlig trekke fram det som er viktig, som går på forbrukerspørsmål, matmerking og reklame rettet mot barn.

ganske homogen og stabil gruppe å forske på. Vi ser også at det er kommet over hundre doktorgrader som følge av HUNT 1, 2 og 3. Det er svært verdifulle funn og data. Det er interessant at dette nå gjøres tilgjengelig for kommunene, slik at en på kommunenivå kan se hvordan det ligger an med folkehelsen – slik at man kan drive et aktivt, forebyggende arbeid i hver enkelt kommune. Det er bra. Dette er et pionerarbeid. I morgen får statsråden anledning til, som han selv sier, å se nærmere på dette arbeidet ved nok et besøk på HUNT forskningssenter i Levanger. Jeg vil benytte anledningen til å uttrykke stor tilfredshet med at både folkehelsemeldingen og statsråden sender positive signaler om det arbeidet som skal skje videre. Friluftsliv er viktig for vår fysiske helse så vel som for vår psykiske helse. Det gir gode arenaer for mestring og sosialt fellesskap. Friluftsliv er

lysløyper og større utmarksareal for turer og fritidsaktiviteter er blant de anleggene som blir brukt av størstedelen av befolkningen. Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet er et av de mest effektive tiltakene for å stimulere til økt fysisk aktivitet. En skikkelig satsing fordrer Aktiv forvaltning av friluftsområder og skjærgårdsparker er nødvendig for å sikre attraktivitet og tilgjengelighet for allmennheten og legge til rette for positive friluftsopplevelser og fysisk aktivitet for alle. Etter å ha hørt representanten Jorodd Asphjell tenkte jeg at selv om jeg skal slite tribuner i helgen og heie og heie og heie, må jeg støtte forslagene nr. 7 og nr. 11, der det tas opp at vi må

å få til noe annet enn frukt og grønt på enkelte skoler, til tross for at de utgjør en flertallsregjering som vi i opposisjonen er underlagt hver eneste dag. Kristelig Folkeparti er tilhenger av sunn mat i skolen. Vi vet at det er en sammenheng mellom sunne og gode måltider og skoleprestasjoner. De fleste barn i skolen i dag får med seg en god matpakke hjemmefra. For bør det være en overkommelig oppgave å følge opp de elevene som ikke får det. Mat bør være et tema i skole–hjem-samarbeidet. Vi tror også at hver enkelt skole kan finne gode ordninger for å sikre at alle elever får i seg frokost og lunsj i løpet av skoledagen. Så en liten visitt til en debatt vi hadde tidligere denne uken, om døvblinde og fritidsaktivitet. De døvblinde har fått et dårligere tilbud om fritidsaktivitet i forhold til de De døvblinde har fått et dårligere tilbud om fritidsaktivitet i forhold til de endringer som regjeringen la på plass i 2012. De mister tolkene som de skal drive fysisk aktivitet sammen med. De siste timene har vi diskutert fysisk aktivitet og forebyggende helse. Vi isolerer 350 mennesker som ikke får tolker nok til at de kan være fysisk aktive. Det bør være en utfordring også i denne debatten.

Ja, nordmenn har god helse, men livsstilssykdommer er en global epidemi som også har rammet Norge. Røykere lever elleve år kortere enn ikke-røykere. Livsstilssykdommer fører ikke bare til sykdom og død, men også til redusert livskvalitet, skam og skyld, isolasjon og ny

Vi er også uenige om røykeloven – mye kan sies om det – og vi er uenig i alkoholpolitikken. Jeg må si det er spesielt å høre Fremskrittspartiet snakke om folkehelse. I partiets handlingsprogram står det at Norge skal følge EUs regler for import av alkohol og tobakk – en taxfree-kvote som Vårt Land har beregnet til 110 liter øl, 90 liter vin, 10 liter sprit og 20 liter sterkvin. At det blir fullt på Flytoget, er vel det minste problemet

Det handler om å sette opp et telt, knyte en knute, tenne bål. Alt dette er helt gratis. Arbeiderpartiet deler ambisjonen om å prioritere friluftsliv og vil derfor støtte forslag nr. 11 fra Venstre, som er omdelt på plassene, og jeg vil oppfordre de rød-grønne representantene til å støtte forslaget. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 11 og 12. Etter ønske fra helse- og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

Dette representantforslaget tar utgangspunkt i at noen pasienter er ressurssterke og svært bevisste på hvilke tjenester man har rett til og behov for, mens andre pasientgrupper har et mindre bevisst forhold til dette. En samlet komité har i merknadene understreket at mange enkeltmennesker av forskjellige grunner vil ha liten mulighet til å fremme sine rettigheter og behov, og det stilles særlige krav til lovgivning, regelverk, organisering, kunnskap og etisk refleksjon i helsetjenesten av denne grunn. Videre har komiteen fremhevet at de samme forhold i spesielle livssituasjoner kan være situasjonen for oss alle, også for enkeltmennesker som ellers ville regne seg som ressurssterke. Vi er alle sårbare ved alvorlig sykdom, og organisering og drift av helsetjenesten må ha

Det er derfor behov for en vurdering av om dagens virkemidler for å håndtere mistanke om lovbrudd eller alvorlige hendelser er gode nok, inkludert en vurdering av problemstillinger knyttet til læring og bruk av sanksjoner overfor helsepersonell og virksomheter i helse- En samlet komité støtter derfor at regjeringen har varslet en bred utredning om hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd. Komiteen mener det vil være naturlig at utvalget også vurderer hvordan utsatte gruppers interesser bør ivaretas ved upåregnelige alvorlige hendelser og legger til grunn at pårørendes rolle også vurderes i tillegg til de arbeider som alt er gjennomført. Jeg viser ellers til Stortingets nylige behandling og vedtak om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven når det gjelder styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling. Etter flertallets vurdering er det vesentlige fra representantforslaget ivaretatt gjennom arbeid som pågår, og vi foreslår at dokumentet vedlegges protokollen. Det å miste sine nærmeste er

Hun mistet barnet sitt på et norsk sykehus. Hun kom dit sammen med sin sønn for å få hjelp, men dro hjem alene. Noen pasienter er mer sårbare enn andre. I dette tilfellet hadde ikke pasienten språk og kunne derfor ikke selv kommunisere med sine behandlere på sykehuset. Morens desperate forsøk på å formidle til helsepersonellet at hun merket på sin sønn at noe var alvorlig galt,

andre opplever å være 100 pst. funksjonsfriske i det ene øyeblikket for så, f.eks. etter et hjerneslag, å være pleietrengende uten språk i det neste. Jeg og sikkert mange med meg har opplevd det flotte ved at mennesker som står disse nær, ektefeller, venner, barn osv., allikevel klarer å forstå og kommunisere, til tross for manglende språk. Når vi opplever dette i dagligdagse situasjoner, kan vi alle tenke oss hvor vanskelig det kan være i en alvorlig sykehussituasjon. Møtet med disse menneskene og disse historiene har gjort noe med meg i mine fire år som helsepolitiker. Det gjør meg opprørt, det gjør meg sint og det gjør meg ivrig etter å få til forbedringer, slik at andre kan slippe å havne i tilsvarende situasjoner. Vi vil aldri klare å gardere oss mot alle uheldige hendelser i helsesektoren, men vi bør bruke de erfaringene vi har tatt med oss, til å forbedre helsetjenesten. helsetjenesten. Jeg håper at ingen andre får oppleve det denne moren har vært igjennom. Dessverre tror jeg det kommer til å skje dersom man ikke legger til side politiske dragkamper og spillet mellom opposisjon og posisjon og setter kvalitet og pasientsikkerhet i høysetet. I saken som er bakgrunnen for dette representantforslaget, har Statens helsetilsyn konkludert med at pasienten ikke fikk tilbudet hun burde vært gitt. Pasienten fikk altså ikke forsvarlig helsehjelp. Det som er spesielt bekymringsfullt, er likevel at denne saken ser ut til å avdekke et større problem enn mange – inkludert meg selv – forutså. Hvordan blir sårbare pasientgrupper og deres pårørende møtt av helsetjenestene? Det er et spørsmål vi alle bør stille oss. Det er ingen tvil om at noen pasienter har større utfordringer med å gjøre seg forstått i møte med helsesektoren enn andre. God kompetanse og etablerte rutiner for hvordan disse pasientene og eventuelt pårørende skal møtes, er avgjørende og helt nødvendig. Bare på denne måten kan vi unngå at lignende skjer igjen. Jeg har dessverre igjen god følelse i kroppen i dag, og det skyldes ikke bare sommerforkjølelse. Stortinget kommer nemlig til å stemme ned dette forslaget om å styrke pasientrettighetene for sårbare et fryktelig dårlig signal å sende til landets pasienter og helsepersonell. Regjeringen sier de ikke vil stemme for dette forslaget fordi de arbeider med en sak om å styrke pasientrettighetene for alle pasientgrupper. Det er veldig bra, men slett ikke et argument for at Stortinget bør stemme ned forslaget. Snarere tvert imot er dette et argument for at Stortinget bør gi et tydelig signal om at denne pasientgruppen fortjener et særlig fokus i det arbeidet som nå gjøres. I mitt, sannsynligvis, siste innlegg fra Stortingets talerstol skulle jeg ønske meg et samlet storting for å gi regjeringen et signal om at denne pasientgruppen må prioriteres i forbindelse med forbedringer av pasientrettighetene. Det ville ikke være en seier for Fremskrittspartiet, men det ville gi denne mammaen som sitter og følger debatten – og mange andre – et berettiget håp om å bli sett, trodd og ivaretatt av landets folkevalgte. Jeg vil med dette ta opp de forslagene som det er referert til i saken. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til.

Alle pasienter er på sin måte sårbare og har behov for oppmerksomhet, innhold og kvalitet. Tjenesten skal sette pasienter, brukere og pårørende i sentrum. God kvalitet og bedre pasientsikkerhet med færre uønskede hendelser er viktige mål. Da må vi ha systematisk kvalitetsarbeid i hele virksomheten, og arbeidet må forankres i toppledelsen – det er et lederansvar – men må være pasientnært

Stortinget har også nylig vedtatt en rekke lovbestemmelser som skal styrke pasienter, brukere og pårørendes stilling ved uønskede hendelser og i tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten. Jeg er veldig opptatt av å følge dette opp nitidig i departementet. Vi kan nemlig alle være sårbare når sykdom rammer en selv eller de nærmeste. Regelverket tar allerede høyde for at enkelte er mer sårbare enn andre, og at informasjon og hjelp må tilpasses deretter. Det er imidlertid vel så viktig at dette regelverket etterleves for å imøtekomme det formålet jeg oppfattet at representanten understreket her i dag. Etter dagens regelverk har pasienter, brukere og pårørende krav på informasjon om helsetilstand, behandlingsforløp og pasientrettigheter. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens forutsetninger, og helsepersonalet skal, så langt det er mulig, sikre at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Pasienter og brukere har også rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Det er ikke bare en rett, men også bedre for behandlingen pasientene får. Videre innebærer kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp at pasienter og brukeres individuelle behov skal stå sentralt ved ytelse av helse- og omsorgstjenester. Som kjent ser regjeringen behovet for å utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. I morgen vil jeg legge fram forslag om et utvalg som skal utrede dette bredt. Denne utredningen er ett av flere tiltak som skal bidra til å sikre bedre oppfølging av hendelser som har ført til upåregnelig pasientskade eller død.

for den saklige uenigheten som har vært, og at vi på den måten vi bedriver demokrati, alle sammen har respekt for hverandre. Så skal jeg driste meg til å få lov å ønske statsråden lykke til i fremtiden, kanskje primært i opposisjon. Presidenten vil også få lov til å takke Per Arne Olsen for den innsatsen og det engasjementet han har vist i denne sal. Jeg tar imot de hyggelige ordene og skal gjøre det aller siste til skamme. Jeg vil legge all innsats ned i det – på et kameratslig vis. skamme. Jeg vil legge all innsats ned i det – på et kameratslig vis. Ja, jeg mener vi skal ha et særlig fokus på denne gruppen. Og jeg må si jeg opplever hos det aller meste man møter av helsepersonell en varhet for at mennesker er forskjellige, men at de er like i retten til den omsorgen de skal motta. Sånn sett er det ingen omsorgsbehov som er helt like når vi kommer inn og er sårbare i en slik situasjon. Derfor mener jeg at det å ha et ganske universelt prinsipp om at det skal ytes helsehjelp og omsorg, er den beste måte å se den enkelte på. Jeg ville blitt litt urolig hvis vi skulle begynne å gradere hva slags omsorg og oppmerksomhet pasienter skal få, fordi vi alltid da vil komme i grenseland mellom noen pasienter som er kanskje på den siden eller kanskje på den siden. Vi må ha tillit til opplæringen og ledelsen av dem som jobber i vårt helse- og omsorgsvesen – tillit til at de kan se de særlige behovene som representanten har vist til i det spesielle tilfellet han har nevnt.

Prosessene for nye takster er i gang, men ikke avsluttet. Dette året vil det bli forhandlet med legenes organisasjon og med psykologenes organisasjon, og det vil være av grunner som fremgår av innstillingen, hørings- og drøftingsmøter med de tre fysioterapiorganisasjonene. Det er samstemt komité, som bare fremmer felles merknader og støtter at departementet får de nødvendige fullmakter. fullmakter. Siden dette er siste innmeldte sak fra komiteen i dette stortinget, vil jeg takke komiteen for veldig gode uenigheter, for godt arbeidsmiljø og mye folkehelse gjennom veldig mye god humor. Siden det var siste Siden det var siste sak fra helse- og omsorgskomiteen, vil presidenten benytte anledningen til å takke for å ha fått fulgt mange interessante og gode debatter. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Det er

Prosjektet vil som sådan forkorte E6 med om lag 2 km vei, og som sagt er det en enstemmig komité som står bak innstillingen. Som saksordføreren redegjorde for, er

entreprenører har hatt muligheten til å delta i denne utbyggingen. Både næringslivet og bransjeorganisasjonene i området er fornøyde. Dette har også ført til en besparelse, men det har ikke tatt lengre tid eller hatt konsekvenser for tempoet. Jeg mener at nettopp denne saken er et godt eksempel på hvor viktig det er å bruke ulike kontraktstrategier for ulike samferdselsprosjekter. Nå skal jeg ikke dra opp igjen debatten vi hadde på tirsdag i forbindelse med NTP. Den var både lang og omfattende. Men jeg vil likevel anbefale opposisjonen å innta en litt mer dynamisk og fleksibel tilnærming til ulike samferdselsprosjekter. representanten Bjørnflaten var inne på, var NTP-debatten på tirsdag. Jeg registrerer at vi er uenige i så måte i saken, men når det gjelder saksframlegget, er det en enstemmig komité som legger det fram.

vedtatt. Først vil jeg takke komiteen for en fleksibel og rask behandling av en sak som kom på det aller senest mulige tidspunkt til komiteen. Så tusen takk for at det var mulig å få denne saken til behandling før Stortinget går fra hverandre. Det vi skal behandle i dag, er to nye parseller på E18 mot svenskegrensen. Det er all grunn til å glede seg over to nye parseller på henholdsvis 6 og 7 km ny vei som legges ut til byggestart så snart vi har fattet vedtaket. Ruten E18 Oslo–Ørje/Riksgrensen og Stockholm er den nest viktigste hovedveiforbindelsen til og fra utlandet etter korridor Veien har stor regional viktighet spesielt for Østfold og Indre Østfold, men også for gods- og persontrafikken til og fra Sverige, Finland, Baltikum og Russland – og dermed for hele landet. Strekningen Oslo–Riksgrensen er viktig både for persontransport og næringsliv, og nærmere 20 pst. av all internasjonal godstransport til og fra Norge på vei fraktes

fremlagte opplegget. I forbindelse med behandlingen av opplegget for utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby–Knapstad er det vedtatt å forlenge også innkrevingsperioden fra 15 til 20 år på både E6 og E18. Utbedring og nybygging av den 58 km lange strekningen skal nå sluttføres med de to siste strekningene på E18 i Østfold. Komiteens flertall ser det som en viktig og nødvendig investering både for trafikksikkerhet og Et annet flertall enn det jeg har omtalt – medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti – mener også at det er påkrevd at E18 blir ferdig utbygd som møtefri vei på hele strekningen Riksgrensen–Vinterbro innen 2020. For å sikre en sammenhengende utbygging må også strekningen fra Retvet i Akershus til Vinterbro i Akershus igangsettes som opprinnelig planlagt i første del av planperioden. Så skal jeg omtale og påpeke noen særlige forhold, sett fra mitt parti Høyre. Vi vil understreke viktigheten av å få realisert nettopp E18 mellom Vinterbro og svenskegrensen og er kritiske til at dette ble gjort stykkevis og delt. Det har gjort at prosjektet både har tatt mye lengre tid og blitt mye dyrere enn nødvendig. I Smaalenenes avis lørdag 8. juni i år står det i avisens leder: «E18 blir aldri ferdigstilt.» ferdigstilt.» Høyre deler synet på at E18 har blitt en lærebok i kortsiktig tenkning og hvordan man sløser med våre skatteinntekter, både over statsbudsjett og med bompenger. Den første kommunestyrebehandlingen i Indre Østfold av forsering av E18 i Østfold med bompenger ble behandlet Vi registrerer at «forsert utbygging» til i dag har tatt 24 år og vil ha tatt hele 27 år i 2016, da strekningene forventes ferdigstilt. Det er all grunn til å minne om at tidligere senterpartileder Haga i valgkampen i 2005 lovet ferdigstillelse i 2009. E18 mellom Lundeby og Ørje er allerede blitt for smal og tilfredsstiller ikke dagens krav. En rekke broer og strekninger må utvides. utvides. Veien må gjøres om fra tofelts til tofelts med forbikjøringsfelt og midtdeler, noe som det rapporteres er dyrere enn om det hadde blitt bygget firefelts vei fra starten av. Utbyggingen av E18 gjennom Indre Østfold er et eksempel på hvordan man ikke skal planlegge og bygge for fremtiden. Høyre mener at firefelts vei på hele strekningen Oslo–Riksgrensen hadde vært å bygge for fremtiden. I stedet har vi bygget stykkevis og dyrt. dyrt. Høyre vil ha mer vei raskere! Det å bygge helhetlig, raskere, fortløpende og med avklart finansiering sikrer mer vei for pengene. Innenfor dette området er det behov for moderne løsninger, som vi absolutt trenger, og som Høyre tar til orde for. Vi vil at eksisterende tofelts og trefelts strekninger på hele E18 Oslo–Ørje/Riksgrensen utbedres til firefeltsvei og viser til at Høyre tidligere har foreslått å bygge dette ut som et helhetlig offentlig–privat samarbeidsprosjekt, og at veien allerede ville vært ferdig med våre løsninger.

løsninger. Først vil jeg takke saksordføreren for rask og god behandling. Jeg kan stille meg bak den delen av hennes innlegg som var saksordførerinnlegget, og jeg synes komiteen for øvrig fortjener ros for at de ville behandle saken. Det er ingen som mener dette er en ideell saksbehandling, men jeg tror både saksordføreren og jeg deler interessen av at denne

jeg har lagt merke til at er en vane å gjøre fra denne talerstolen. Den siste strekningen for å fullføre E18-utbyggingen fram til Vinterbro har plass i regjeringens Nasjonal transportplan, som Stortinget behandlet for et par dager siden. Med den strekningen kan vi sette sluttstrek for E18-utbyggingen. Den egentlige grunnen til at jeg tok ordet, er en diskusjon om sideveistiltakene som er omtalt i innstillingens merknader fra opposisjonen. opposisjonen. Det gjelder fv. 115 i Ringnesdalen. I Prop. 131 S for 2010–2011 blir det vist til at Skiptvet kommune forutsetter at utbyggingen av fv. 115 i Ringnesdalen skulle finansieres av Østfoldpakka. I proposisjonen blir det opplyst at det i forbindelse med vedtak om ikke å bygge kryss mellom E18 og fv. 122 i Spydeberg kommune, ble avtalt heller å øke rammen til sideveistiltak med 40. mill. 2004-kroner, som var den stipulerte kostnaden for krysset, og da som tilskudd til utbedring av fv. 115, som da var en riksvei. Dette skjedde i 2003. Tiltak på nåværende fv. 115 i Ringnesdalen var altså ikke en del av Østfoldpakka, men kom inn som et bidrag over rammen til sideveistiltak som følge av at krysset ved fv. 122 ikke skulle bygges. I Prop. 131 S blir det forutsatt at kostnader utover dette må finansieres innenfor fylkeskommunens ordinære rammer til investeringer på fylkesveinettet, eventuelt innenfor gjenstående midler til sideveistiltak. Det har vært en kostnadsøkning. Etter det jeg kjenner til, har fylkeskommunen sagt seg villig til å finansiere halvparten av merkostnadene som utbedring av fv. 115 vil medføre, men det er ikke enighet mellom kommunene i Indre Østfold på bruken av sideveismidler for å finansiere resten. Dette foregår det en prosess på nå, og jeg tror vi fra fra Stortinget skal være forsiktige med å mene noe om dette. På denne bakgrunn mener Arbeiderpartiet at det ikke er grunnlag for å hevde at E18 gjennom Østfold ikke kan anses som ferdigstilt før dette sideveistiltaket er på plass. Til slutt: Som saksordføreren var inne på, er dette en sak det er viktig for Høyre med avklart finansiering. Vel, dette er jo en sak der det er uenighet mellom Høyre og Fremskrittspartiet om finansiering. Fremskrittspartiet har eget forslag i saken om full statlig finansiering. Høyre støtter regjeringen i at man skal delfinansiere ved hjelp av bompenger. Når det gjelder avklart finansiering, blir det spennende å se om man klarer å bli enige på borgerlig side om finansering av denne veien og

Den er svært viktig fordi den er en av hovedfartsårene fra Norge til Europa. Jeg er helt enig med representanten Schou i at det er ganske tragisk at det har tatt 24 år. Det kommer til å ta 27 år før man er ferdig med dette prosjektet som egentlig er ganske kort. Så har jeg lyst til å si at jeg tror kanskje Dovrebanen og E6 Minnesund er et godt eksempel på at Minnesund er et godt eksempel på at man begynner å tenke annerledes og gjøre ting raskere, på samme måte som OPS-prosjektet fra Grimstad til Kristiansand også er et godt eksempel på et prosjekt hvor man klarer å gjøre ting raskt og bra. Så kunne jeg dratt inn E18 i Vestfold som er nok et eksempel på dårlig måte å bygge ut vei og infrastruktur på.

Sågar har representanten Schou sagt i Østfold at hun er imot bompenger, skal stemme imot bompenger, og er for full statlig finansiering. Og nok en gang har representanten Schou og Høyre muligheten til det. Hvis man vil det nå, kan man faktisk stemme på fullfinansiering av de to siste parsellene. Det ligger det forslag om her nå, for Fremskrittspartiet er opptatt av at det er et statlig ansvar å sørge for et godt og skikkelig veinett i Norge. Da har man muligheten til å stemme for det hvis man vil. Jeg synes det er ganske betimelig å se på hva som er kostnadene for denne utbyggingen. Utbyggingen i Østfold skulle koste 11 250 mill. kr. Bompengene skulle liksom være 5,8 mrd. kr, og det var 52 pst. Da kunne man jo kalt det et spleiselag, som man i sin tid kalte alle disse såkalte ønskene om at staten og bilistene skulle stille opp for hverandre. Men realiteten nå er at bilistene skal betale 73 pst., og da betyr det at det er noen andre som betaler mye mindre enn det de skulle betalt i utgangspunktet. Dessverre opplever jeg at det er sånn denne regjeringen agerer, og det er sånn denne regjeringen holder på. Det er stort sett bilistene som får og som skal ta hoveddelen av kostnadene ved viktige infrastrukturprosjekter i Norge. For dette er viktig infrastruktur, dette er et kjempeviktig prosjekt fordi det handler om å få både gods og tjenester inn og ut av landet vårt og komme seg raskt til og fra. Så blir jeg litt i stuss når det første man kutter når kostnadene går utover rammene sine, er tilførselsveien, altså fv. 115. Men enda verre, og som jeg synes er det aller verste her, er at da vi behandlet Nasjonal transportplan, var det 85 rasteplasser som vi var opptatt av å få på plass de neste ti årene, og som vi må få på plass de neste ti hvis vi skal sørge for at yrkessjåførene kan følge det lovverket som vi har pålagt dem å følge om kjøre- og hviletidsbestemmelser. Men noe av det første man velger å ta bort, er rasteplassen ved Smaalenene bru. Jeg synes det er ganske fantastisk. Jeg synes det er trist at ikke det politiske flertallet ser at rasteplasser er viktig for dem som har veien som levevei. Men sånn er det tydeligvis bare, at noen synes det er greit at vogntogsjåførene og yrkessjåførene som kjører rundt på veinettet vårt, ikke skal ha de samme rettigheter og de samme forholdene som alle andre, og ikke kan oppfylle lovverket fordi de ikke har tilrettelagt den typen rasteplasser. Så vil jeg ta opp forslaget vårt i

utbygging av infrastruktur. Det er kjempeviktig. Strekningen Oslo–Riksgrensen er viktig for både persontrafikk og for næringsliv, og ikke minst for trafikken inn og ut av landet. Det er mye eksport – mye varer – som kommer inn og ut over strekningen E18. Derfor er det kjempeviktig at de to siste strekningene i Østfoldpakka blir realisert. De 58 kilometerne vil bli sluttført i strekningene som gjenstår i Jeg hadde ikke tenkt å dra opp Nasjonal transportplan-debatten igjen, for vi hadde en lang og god debatt der vi diskuterte både finansiering, mer helhetlig utbygging og kortere planleggingstid. Det skal vi gjennomføre. Men jeg registrerer med litt forundring at en rekke Høyre-representanter har ulikt syn hjemme i sine fylker og når de kommer inn i denne salen. Det har jeg registrert i mitt eget hjemfylke, og det har jeg også registrert fra talerstolen her Det har jeg registrert i mitt eget hjemfylke, og det har jeg også registrert fra talerstolen her i dag. Det må jo stå for deres regning. Det skaper bare enda mer spenning og utfordring når det gjelder de blå-blås alternativ til finansiering av veisektoren, der man verken er enig med seg selv eller enig internt. Det er krevende, ikke bare for velgerne ute, men også for de som skal forholde seg til dem som alternativ. Jeg har lyst til å avslutte med å gratulere Østfold, som nå får en høyst tiltrengt satsing på Østfoldpakka, og gratulere oss som nasjon. Helt til sist har jeg lyst til å takke komiteen for fire spennende år, og ønske alle sammen en riktig god sommer. Det er en viktig veistrekning vi nå diskuterer. Det er Norges nest viktigste hovedveiforbindelse Det er derfor veldig bra at komiteen, og også nå vi i Stortinget, kunne ferdigbehandle denne saken før vi går fra hverandre før sommeren, til tross for at den kom svært sent til Stortinget.

enn det som hadde vært nødvendig hvis vi hadde bygd denne veien ut på en annen måte, noe som har vært framme i media. Det er altså 24 år siden vi fattet første vedtak i Indre Østfold om denne veien. I gjennomsnitt tar det vel 9 år å bygge en vei, men her har vi brukt 24 år så langt, og vi kommer til å bruke noen få år til. Men den dagen vi står i 2016 og har fått ferdigstilt hele Jeg har lyst til å gå over til dette som gjelder hva som var med i det opprinnelige budsjettet, og hva som ikke var med. Representanten Kjernli tok opp dette med tilførselsveien fv. 115 fra Vamma. Han tok ikke opp dette med rasteplassen fra Smaalenene Bru, som også er en viktig sak i henseende, og som var med i det opprinnelige budsjettet. Når noen strekninger har klart seg godt innenfor budsjettrammen, mener vi at dette burde vært mulig å få på plass, slik at vi fikk en helhetlig utbygging av denne strekningen, med de tingene som burde være på plass. Så må representanten Gorm Kjernli gjerne mene at vi ikke behøver å mene noe om tilførselsvei og finansiering av og finansiering av fv. 115. Men undertegnede mener at det bør vi mene noe om, for det har vi ment noe om tidligere. Vi bør også ferdigstille denne tilførselsveien, slik at vi får hele strekningen og den tilførselsveien på plass gjennom en god finansiering. Derfor ber vi om at regjeringen kommer tilbake til det i budsjettet for 2014.

siden vært forelagt Stortinget i flere omganger. E6 i Østfold sto ferdig som firefelts veg i 2008. Fram til nå har vi ikke hatt en endelig sluttplan for når E18 i Østfold kunne stå ferdig utbygd. Utenriks godstransport over E18 i Ørje er nest størst i landet etter E6 på Svinesund, og fortsatt utbygging er derfor viktig for regional utvikling og for å redusere næringslivets transportkostnader. Regjeringen legger gjennom denne stortingsproposisjonen fram et samlet opplegg for sluttføring av Østfoldpakka, inkludert utbygging og finansiering av E18 Riksgrensen–Ørje og E18 Knapstad–Retvet. Det er lagt vekt på at det er lokalpolitisk tilslutning til finansieringsopplegget. Anleggsstart på de gjenstående parsellene vil være i 2013 og 2014. Opplegget vil legge til rette for at E18 i Østfold kan stå ferdig utbygd høsten 2016. Jeg er veldig glad for at komiteen så mulighet til å behandle denne saken på tross av korte tidsfrister, og jeg er veldig fornøyd med den klare tilslutningen til regjeringens opplegg og forslag som ligger i

kommer på E18, gjennomgått og sjekket? Så vidt jeg har brakt i erfaring, har denne entreprenøren på utbyggingen langs Mjøsa, som nå har gått konkurs, også en milliardgjeld bak seg. Mitt ringe spørsmål er: Hvordan sjekker regjeringen opp at de som får denne type anbud, har mulighet for å stå løpet ut? Det er jo slik ved enhver anbudsutlysning at Statens vegvesen vil gjennomgå en rekke forhold knyttet til både HMS-erklæring og til de økonomiske forholdene ved tilbyderne. Jeg er gjort kjent med at Statens vegvesen også i forbindelse med de anbud som har vært lyst ut på fellesprosjektet, har hatt en gjennomgang av de ulike tilbyderne, og ikke har fått noen opplysninger som tilsier at de ikke kunne gi anbudet til Alpine Bau. For øvrig er vel det egentlig ikke tema for dagens sak det er i alle fall de opplysningene jeg sitter med så langt i denne saken. Nå var min første replikk knyttet til entreprenørene på E18, så sånn sett mener jeg nok at det absolutt berørte absolutt berørte saken. Men neste spørsmål handler om at forrige utbygging, Sekkelsten–Knapstad, ble sluttført 150 mill. kr under budsjett. Jeg ser at kommunene i området er svært opptatt av at det da bl.a. skulle være mulig å se på både dette med rasteplass og det som går på tilførselsveien. Nå ser jeg at Statens vegvesen overforbruker i budsjettet, og kommunene får en regning i fanget – noe man ikke ville fått med offentlig–privat samarbeidsfinansiering, for da ville entreprenøren selv måttet ta den merkostnaden. Hva er statsrådens vurdering av kommunenes uttrykte ønske om at penger spart tidligere, burde vært brukt til denne tilførselsveien?

Men en har kommet i den situasjon at når det gjelder ytterligere tiltak, er det tiltak som bør finansieres gjennom fylkeskommunens ordinære rammer. Men der er det en viss grad av uenighet mellom fylkeskommunen og kommunene, og det er en uenighet der som jeg er enig med representanten Kjernli i at en fra Stortingets og regjeringens side bør være forsiktig med å mene noe om. Ellers må jeg si at det er interessant at representanten Schou mener at med Høyre i regjering ville dette vært ferdigbygd mye tidligere. Høyre satt jo i regjering i fire år – rett etter at den første proposisjonen ble vedtatt i Stortinget. De hadde all mulighet til å vedta dette som et forutsigbart prosjekt – eller et OPS-prosjekt. Det ble ikke gjort fra Høyres side i løpet av de fire årene de satt i regjering. Dette er

det. Så har jeg lyst til å utfordre statsråden på rasteplasser, for jeg vet at statsråden har sagt at hun er opptatt av å få på plass rasteplasser, slik at yrkessjåfører skal kunne stoppe og følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene som de har. De blir nektet å stå mange steder, bl.a. får man ikke stå på statens kontrollstasjoner. Og så er dette noe av det første man tar bort. Er ikke statsråden enig i at det blir litt feil å ta bort det som er helt nødvendig for at de som er på veien, faktisk skal følge lover og regler? Burde man ikke fått på plass denne rasteplassen når vi nå er i ferd med å få på plass dette prosjektet? Jeg erkjenner at denne proposisjonen kom sent til Stortinget. Det har vært mye arbeid som skulle gjennomføres, også hos fagetaten, før en kunne legge fram saken. Vi har vært tydelige på at vi har ønsket at de skulle klare å få den ferdig. Vi har ikke lagt noe utilbørlig press, og jeg mener at de også har hatt den tiden de trenger for at det er kvalitativt godt nok. Men vi hadde nok ønsket at den skulle komme fram. Jeg er veldig glad for at den har kommet fram, og jeg er veldig glad for at komiteen også så seg råd til å behandle den, for hvis ikke ville vi ha risikert en ytterligere forsinkelse på inntil et halvt år på hele prosjektet, og det ville ha vært synd. Når det gjelder rasteplasser, er regjeringens holdning at den omtalte rasteplassen som eksemplene her viser, er ikke en naturlig del av Østfoldpakka, og den ligger derfor ikke inne. Når det generelt gjelder rasteplasser, er jeg opptatt av det, og jeg mener at en bør ha gode og fornuftige rasteplasser, slik at en får innfridd de kravene næringen har til

Men for å snakke for de siste åtte årene, hvor vi har hatt en regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, har vi på Stortinget – sammen med våre lokale ordførere og fylkespolitikere som pådrivere – fått en langt raskere framdrift og en sammenhengende utbygging som gjør at vi nå ser slutten på byggeperioden. Som ordføreren i Eidsberg fra Høyre her om dagen skrev på Facebook-siden sin – og jeg siterer: «Jeg svingte innom en av riggplassene for E18-utbyggingen i Hærland ved 22-tiden i går kveld. Nærmere 20 mann var i arbeid, her går det unna. Åpning etter sommeren neste år. Da vil Hærland, Eidsberg og Indre Østfold fremstå enda mer attraktiv.» E18 Oslo–Ørje/Riksgrensen og til Stockholm er den nest viktigste hovedveiforbindelsen til og fra utlandet etter Oslo–Svinesund. Veien har stor regional viktighet, spesielt for indre Østfold, men også for gods- og persontrafikken til og fra Sverige, Finland, Baltikum og Russland. Nærmere 20 pst. av all internasjonal godstransport til og fra Norge på vei fraktes på E18 gjennom Østfold. I dag er Østfolds innbyggere og de som kjører gjennom Østfold på E18, derfor glad for at vi med denne proposisjonen om få år kan se fram til en ferdig E18 med god standard hele veien fra Oslo til grensen til Sverige. I proposisjonen legges det fram et samlet opplegg for sluttføring av Østfoldpakka, med utbygging og finansiering av strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet, inklusiv gjenstående finansiering av tiltak på eksisterende E18 og sideveier langs E18 med anleggsstart på strekningen

Jeg er enig i at det har tatt lang tid, og at slike store prosjekter bør organiseres, finansieres og gjennomføres som ett helhetlig prosjekt, slik regjeringen nå legger opp til i Nasjonal transportplan for 2014–2023. Men at det har tatt lang tid, er et tverrpolitisk ansvar. Representanten Schou og Høyre hadde god anledning til å forsere utbyggingen og starte E18 som OPS-prosjekt da de var i regjering for åtte år siden og representanten Schou var minister. At representanten Schou og Høyre nå mener de har bedre løsninger enn da de satt i regjering, gjenstår å se. Her mangler Høyre troverdighet. Jeg har også merket meg at Høyre nå ønsker at eksisterende tofelts- og trefeltsstrekninger på hele E18 Oslo–Ørje/Riksgrensen utbedres til firefeltsvei med begrunnelse i trafikkveksten. Jeg vil peke på at Høyres representanter faktisk stemte for den utbyggingen med to og tre felt som er gjort, og det for kun to år

Hoksrud snakker som om staten er en rik onkel i Amerika, men statens penger er skattebetalernes penger. Så det representanten Hoksrud ber om, er at bilistene – i dette tilfellet – skal spleise med skattebetalerne, men skattebetalerne er jo ikke bare representanten Hoksrud og meg og andre som har god lønn. Det er pensjonister som betaler skatt, det er uføretrygdede som betaler skatt – det er staten. Så ser jeg at representanten Hoksrud nå tenker på oljefondet, men oljefondet er også innbyggernes penger. Så det er altså ikke slik at man kan skjerme innbyggerne. Man kan diskutere hvor stor fordeling som skal tas over statsbudsjettet, og hvor stor fordeling som skal tas inn i form av bompenger – i dette tilfellet. Men også det som tas fra statsbudsjettet, tas fra innbyggerne. Og det er ikke så veldig stor forskjell, tror jeg, på innbyggere med bil og innbyggere uten bil. Så uansett ender regningen på bilistene, det er bare et spørsmål om hvilken faktura man skal skrive den ut på. uten bil. Så uansett ender regningen på bilistene, det er bare et spørsmål om hvilken faktura man skal skrive den ut på. Bare tre raske ting: Det gjentas fra opposisjonen at dette har tatt 20–25 år. Vel, det første vedtaket i Stortinget om utbygging av E18 og E6 ble gjort for 13 år siden. Så til representanten Hoksrud, som lurte på hvorfor det har tatt så Hvis representanten Hoksrud hadde lest proposisjonen, hadde han sett der at man på grunn av usikkerhet rundt innføringen over fylkesgrensen, som opprinnelig var planlagt, men som forrige gang vi behandlet utbyggingen av E18 ikke lå inn over fylkesgrensen, nå allikevel ligger inn over fylkesgrensen til Akershus. Den reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i Ski,

det representanten Helleland som i beste sendetid i Dagsrevyen sto der og sa at Høyre ønsker å styre mer i stort. Maken til dobbeltkommunikasjon når man gjør en rasteplass til en stor politisk sak i landets nasjonalforsamling! Lenger fra å styre i stort i samferdselspolitikken er det vel neppe mulig å komme.
og deretter
komme. Presidenten har oppfattet det sånn at det egentlig ikke var snakk om noen liten rasteplass, men det kommer vi sikkert tilbake

De får ca. 18 mrd. kr tilbake til veiformål i 2013. Det betyr at det er et overskudd her. Det finnes et overskudd her som man kan bruke enten på å bygge mer vei eller på andre måter. Så sier representanten Hansen at det er bra at bilistene skal være med og betale, for det er de samme pengene – det gjør ikke så mye hvordan man bruker pengene, for det er ikke så stor forskjell. Jo, det er en ganske vesentlig forskjell,

denne salen. Det er ikke blitt penger til en eneste meter vei. I tillegg går over 30 mrd. kr til å betale rente til norske og utenlandske banker, hvor sjefene kan kose seg på den store bonusfesten. Vi i Fremskrittspartiet synes det er en dårlig måte å bruke både bilistenes penger og andres penger på. Det er nettopp derfor vi sier at med alle de avgiftene som bilistene betaler inn til staten gjennom skatter og avgifter, er dette et statlig ansvar. Før het det veiavgift. Men jeg skjønner at noen synes det er dumt at pengene jeg skjønner at noen synes det er dumt at pengene er øremerket til noe, derfor valgte de å endre navnet til årsavgift, for da kan man bare bruke dem til alt mulig annet. Men vi vet at det er stor forskjell på den regjeringen som styrer nå og Fremskrittspartiet. Vi synes det er dumt at bilistene skal betale over 40 mrd. kr når de ikke får igjen en eneste meter vei, jernbane eller kollektivtransport for den saks skyld,

andre. Jeg tror at folk flest er opptatt av å få vei raskere, og har liten forståelse for en klattvis og dyr utbygging. Sånn sett er det å ha andre og nye løsninger av de tingene vi ønsker oss både på planleggingssiden, på byggemetodesiden og på finansieringssiden. Jeg opplever at det også er det folk etterspør. Så registrerer jeg også at posisjonen mener at det ikke er så veldig lenge siden dette ble behandlet i Stortinget, men jeg tør minne om at Stortinget ikke lever i et vakuum. De politiske vedtakene starter lokalt, og i 1989 startet dette. Jeg husker det veldig godt, for det var i mitt eget kommunestyre, og det var tilsvarende fem andre kommuner langs E18 som var avhengige av å få forsert utbygging av E18 startet i 1989, og jammen sa jeg forsert. Da komiteens flertall under behandlingen av den siste saken i utbyggingsløpet påpeker det meget uheldige i at utretting av tilførselsvei fv. 115 fra Vamma og rasteplassen ved som begge var med i det opprinnelige budsjettet for finansiering av nettopp delprosjektet Sekkelsten–Knapstad, ikke er tatt med i regjeringens forslag og kommunene i området påpeker det til stadighet, tør jeg minne om at det er der ute politikken er oppe til eksamen. Vi påpeker at E18 gjennom Østfold ikke kan anses fullstendig ferdigstilt i dette området før disse delprosjektene er sluttført. I tillegg påpeker lokalavisen at veien ikke blir ferdig, fordi den allerede er for smal ut fra den trafikkbelastningen og den årsdøgnstrafikken som allerede er der nå. Vi ser at den forrige parsellen på dette området var 150 mill. kr under budsjett, og kommunene i området uttrykker naturlig at det hadde vært ønskelig at denne tilleggsfinansieringen på 90 mill. kr burde ha vært med, fordi det opprinnelig var inne i helheten. Jeg tror at uttrykt ønske om at regjeringen vil komme tilbake med dette i statsbudsjettet for 2014, hadde vært denne helhetstenkningen. Statsråden sa selv at det også var noe uenighet i forståelsen av om dette hørte med i prosjektet eller ikke. Jeg har lyst til å takke komiteen for arbeidet. Jeg ønsker også å takke for det arbeidet som er gjort i komiteen i hele denne fireårsperioden. Jeg regner med at dette er siste sak for oss.

over statsbudsjettet. Men hvis jeg kan sende med representanten Hoksrud en liten henstilling eller en liten tanke som han kan tenke på i ferien til vi møtes igjen, er det at han bør begynne å snakke om at bilistene kan spleise med skattebetalerne. Da ville man være litt mer presis på hva dette handler om. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra næringskomiteen

I selskapets generalforsamling den 21. mai stemte 62,5 pst. for transaksjonen, som da Stortinget også ga sin tilslutning til. Men det var ikke tilstrekkelig støtte til å gjennomføre finansieringen av Copeinca-transaksjonen. Etter den tid har vi helt klart sett at aktiviteten Derfor er det helt nødvendig at Stortinget også nå går de nødvendige runder når det gjelder statens eierskap i selskapet, og håndterer de fullmakter som regjeringen nå ber om. Slik sett har denne saken gått veldig raskt gjennom i komiteen, og jeg takker også komiteen for en grei behandling av saken i den korte tiden som har vært til disposisjon. Vi visste allerede

ikke gjenspeiler de reelle verdiene i selskapet. Det som dermed er igangsatt, er et aldri så lite kappløp om selskapets verdier. Vi fikk så sent som i dag i en pressemelding kjennskap til at Nærings- og handelsdepartementet nå iverksetter en prosess for mulig kjøp av aksjer i Cermaq ASA, under forutsetning av at Stortinget gir de nødvendige fullmakter nå i kveld.

verktøy for å håndtere situasjonen som har oppstått. Det er derfor av betydning at Stortinget gir en fullmakt til at staten kan kjøpe aksjer i Cermaq ASA opp til en eierandel på 65 pst., og at staten samtidig kan selge samtlige av sine aksjer. En utvidelse av salgsfullmakten vil sikre at staten også kan velge å la Cermaq ASA bli slått sammen med en annen aktør, med frihet til å velge en hensiktsmessig

Flertallet er derfor opptatt av – og jeg understreker det – at man gjennom de videre vurderinger og strategiske disposisjoner i forbindelse med en eventuell transaksjon, faktisk vurderer mulighetene for et strategisk eierskap hvor hovedkontorfunksjoner, forskning og strategiske funksjoner får en hovedbase i Norge – ja, gjerne med noe statlig eierandel i tilknytning til det. Jeg vil med dette på det sterkeste få lov til å anbefale Stortinget å stemme for innstillingen i sin helhet slik den foreligger, slik at staten gjennom sitt eierskap kan sikres et tilstrekkelig handlingsrom som igjen kan bidra til en god industriell løsning for selskapet og en forsvarlig pris for aksjene, eventuelt i Cermaq ASA. Jeg vil også tro at dette er næringskomiteens siste sak i Stortinget og vil således både takke for samarbeidet og ønske alle en riktig god sommer.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 ga Stortinget regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i Cermaq ASA ned mot 34 pst. gjennom utvanning som del av en industriell løsning. Statens eierpost i selskapet pr. i dag er 43,5 pst. I forbindelse med behandlingen av Prop. 119 S for 2012–2013 ba ikke regjeringen om noen fullmakt til å kjøpe seg opp i Cermaq ASA. I Prop. 178 S for 2012–2013, som ligger til behandling i dag, ber regjeringen om en slik fullmakt til å kunne kjøpe seg opp til

Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag.» I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen fremmet Fremskrittspartiet forslag om å gi fullmakt til salg av aksjene i Cermaq ASA. Dersom regjeringen har andre intensjoner med eierskapet i Cermaq ASA enn det rent forretningsmessige, stiller Fremskrittspartiet seg undrende til at regjeringspartiene da ikke har flyttet selskapet over til en av de øvrige kategoriene for eierskap, som f.eks. kategori selskap med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor, eller kategori 3, selskap med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte formål. Fremskrittspartiet vil understreke at det er selskapets styre som skal ivareta selskapets interesser, og så blir det opp til staten som aksjeeier å ivareta sine eierinteresser gjennom generalforsamlingen. Selskapets interesser og eiernes interesser må ikke nødvendigvis være sammenfallende, men det hjelper. Fremskrittspartiet mener at å bruke 2 mrd. kr av skattebetalernes penger til å kjøpe seg opp i selskapet til 65 pst., framtrer som et prosjekt med en betydelig risiko. Fremskrittspartiet vil understreke at selv om marin sektor er et viktig strategisk satsingsområde for Norge, så betyr ikke det at det må være et satsingsområde for statlig forretningsdrift. Fremskrittspartiet mener også det er svært positivt at det nå framkommer interesse fra private investorer til å kjøpe statens aksjer i Cermaq ASA. Fremskrittspartiet har lenge ønsket å legge til rette for et salg av statens aksjer i Cermaq ASA dersom det skulle vise seg at det var interesse for det. Fremskrittspartiet vil også gi sin tilslutning til at man kan splitte opp selskapet og selge ut deler av virksomheten, dersom dette vil kunne medføre en bedre industriell løsning og en markedsmessig gunstig pris. Når det gjelder fôrproduksjon gjennom er Fremskrittspartiet av den formening at det er viktig at man sørger for fortsatt norsk kontroll på denne delen av selskapet, slik at man kan opprettholde hovedkontorfunksjon samt forskning og utvikling i Norge. Tilgangen til fiskefôr kan komme til å bli den største utfordringen for oppdrettsnæringen i årene som kommer. Det er på denne bakgrunn viktig å sikre at konkurransen i dette markedet fungerer på en tilfredsstillende måte, slik at ikke enkelte store aktører blir for dominerende.

fremtid. Slike muligheter foreligger jo også og er et av elementene allerede i det spillet om selskapet som i øyeblikket foregår gjennom budet fra Marine Harvest, et spill som opposisjonen bare har et begrenset innsyn i – og heller ikke skal ha noe mer enn det – og derfor ikke bakgrunn nok til å danne seg et kvalifisert bilde av hva som er riktig å gjøre. Som vi skriver i våre merknader, det er ikke umulig at et oppkjøp til 65 pst. kan skaffe selskapet fleksibilitet til løsninger, men vi er sterkt i tvil om det er riktig å bruke kanskje over 2 mrd. kr av skattebetalernes penger til et prosjekt som absolutt fremtrer med en betydelig risiko, særlig når man ikke vet hva en som eier, vil med et oppkjøp til 65 pst., bortsett fra å være fleksibel. Da vil det være en betydelig usikkerhet hvorvidt man kan komme seg ut igjen av selskapet om en skulle ønske, og ikke minst til hvilken pris. Dette er en konjunkturutsatt næring, markedspriser svinger, omsetningsforhold svinger, konkurransen varierer sterkt, produktkvalitet, sykdom, miljøproblematikk er en del ting vi kjenner fra dette området. Vi har ikke noe grunnlag eller informasjon gjennom proposisjonen som svekker Og fra det samme ståsted, altså det utenforstående ståsted, synes utviklingen som kommer nå, med nye bud på deler av selskapet, å tyde på at det kan være mulighet for at man etter et oppkjøp, eller etter et nedsalg, kan stå igjen med 65 pst. i et Cermaq uten den vesentlige delen som fôrvirksomheten er, og da har man igjen et selskap med en overveiende del av sin virksomhet i utlandet en relativt beskjeden andel i norsk virksomhet med norske arbeidsplasser. Det gir, slik vi vurderer det i dag, uten den kunnskapen som andre har, ytterligere en risiko for at de verdier som man kjøper opp som et fullintegrert selskap, ikke lar seg realisere når salgsobjektet er et mer amputert selskap. Man har jo forpliktet seg både i proposisjonen og i de rød-grønne merknadene til å bidra til en god industriell løsning, samtidig som man får en forsvarlig pris, og ikke minst at det senere skal gjennomføres en transaksjon til aksjonærenes beste hvor statens eierandel igjen kan bli redusert. Det er et langt løp med veldig mange risikomomenter. Vi vet ikke hvordan dette skal skje, men vi er som sagt i betydelig tvil om denne svært løselige skissen kan oppfylles. Så vil jeg også understreke at god næringspolitikk og godt statlig eierskap ikke alltid er bare å maksimere verdien, slik det ofte gis uttrykk for fra statsråden, i hvert fall i avisintervjuer, men også industrielle løsninger som tar vare på og sikrer norske arbeidsplasser. Det er et stadig tilbakevendende tema i utøvelsen av statlig eierskap, og vi behøver ikke gå så veldig langt tilbake i den rød-grønne næringspolitiske historie før vi finner eksempler på at hensynet til norske arbeidsplasser har spilt en langt større rolle enn hensynet til statens verdier eller maksimeringen av dem til enhver tid. Så dette synes å være i betydelig grad situasjonsbetinget, og for dem som da ikke kjenner situasjonen, er det vanskelig å begi seg ut på dette løpet. Det er grunnen til at vi stemmer imot fullmakten til å kjøpe seg opp. Det har også med det å gjøre som representanten Aasland henger på i slutten av sitt innlegg, at han undres over opposisjonen, som begrenser mulighetene for å delta i kappløpet. Det er helt riktig, vi begrenser mulighetene for å delta i et kappløp når vi bare vet hvor det starter, men ikke hvor løypa

Det har vore interesse rundt selskapet den siste tida, både for heile selskapet og for delar av selskapet. Det er no behov for å kome fram til gode industrielle løysingar. Som førre talar refererte til, er vi opptekne av å kome fram til gode industrielle løysingar, og også sikre verdiane i selskapet. Det er ikkje nødvendigvis noka motsetning mellom gode industrielle løysingar og å sikre verdiane i selskapet. Det er viktig at staten som ein stor eigar har handlingsrom til å leggje til rette for ei god utvikling av selskapet. Staten skal vere ein aktiv eigar, slik det er lagt opp til i stortingsmeldinga om statleg eigarskap. I stortingsmeldinga om ein aktiv statleg eigarskap er Cermaq ASA plassert i kategorien for Samtidig peiker ein samla komité i innstillinga til Stortinget på at marin sektor er eit viktig strategisk satsingsområde for Noreg. Det går bl.a. fram av sjømatmeldinga, som nyleg er behandla her i salen. Med ei berekraftig forvaltning av sjømatnæringa og oppdrettsnæringa kan oppdrettsnæringa få ein betydeleg vekst i tida framover, og dermed vil den strategiske betydninga av næringa iallfall ikkje bli noko mindre i tida som Komiteen peiker på at regjeringa ved eventuelle transaksjonar vurderer moglegheita for strategisk eigarskap der hovudkontorfunksjonar, forsking og strategiske funksjonar får hovudbase i Noreg. Det er ting som ein må ha med i den vidare prosessen i handteringa av eigarskapen. I denne saka får regjeringa utvida fullmakter for å ha større handlingsrom til å sikre verdiane i selskapet og til å sikre

Staten er opptatt av at selskapet er en vesentlig aktør i videreutviklingen av norsk oppdrettsnæring. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag.» Jeg vil også legge til, slik flere representanter har vært inne på, at dette er en viktig strategisk næring for Norge, og vi har nettopp vedtatt sjømatmeldingen her i Stortinget. Det foreligger nå et bud på Cermaq fra Marine Harvest, som har gitt tilbud på alle i Cermaq. I en pressemelding 10. juni 2013 anbefaler Cermaqs styre sine eiere å avslå tilbudet, og ber aksjonærene vente på mulige alternative løsninger. Marine Harvest har de siste ukene forsøkt å få kontroll med fôr- og oppdrettsselskapet Cermaq. Regjeringen har på bakgrunn av dette fremmet en proposisjon for Stortinget om fullmakt til å kjøpe seg opp til inntil 65 pst. eierandel i men også tillatelse til å selge hele statens eierpost. Målet med dette er å ivareta statens interesser og bidra til en industriell løsning. Senterpartiet er opptatt av at staten aktivt skal ivareta sine interesser, og offensivt møte Marine Harvest. Senterpartiet mener at det i slike situasjoner er viktig å vise handlekraft og ha handlingsrom til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. En sammenslåing av selskap med oppdrettskonsesjoner kan bli konsekvensen av den situasjonen som nå er oppstått. Det har derfor vært viktig for Senterpartiet at regjeringen parallelt setter i gang et arbeid for å bidra til at verdiene i oppdrettsnæringen i større grad kommer kystsamfunnene til gode, og for å få fram tiltak som kan bidra til eiermessig mangfold i næringen. For Senterpartiet er det siste særdeles viktig. For Senterpartiet er det et klart mål å bidra til at verdiene i oppdrettsnæringen i større grad kommer kystsamfunnene til gode å bidra til å videreutvikle de små og mellomstore aktørene i næringen. Dette må vi klare å gjøre parallelt. Med dette utgangspunktet støtter Senterpartiet forslagene i den framlagte proposisjonen. Jeg vil i likhet med andre talere her benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i komiteen, og ønsker alle en riktig god sommer!

talere her benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i komiteen, og ønsker alle en riktig god sommer! Utviklingen i denne saken siden næringskomiteen startet behandlingen av Prop. 119 S i midten av april, sier vel mer enn ord om de betydelige verdiene som ligger i selskapet Cermaq ASA. Kampen om markedsandeler for oppdrettslaks og fiskefôr i verdensmarkedet er hard og intens. Det bærer også kampen om Cermaq tydelig preg av. Cermaq ASA er et selskap som regjeringen i Slik sett handler regjeringen helt i tråd med de føringer som er lagt for forretningsmessige vurderinger i forbindelse med statlig eierskap i denne kategorien. Eierskapsmeldingen åpner både for strategisk oppkjøp og fullt nedsalg av statens aksjeposter i kategori 1. For oss i Kristelig Folkeparti har denne saken likevel flere sider ved seg enn de rent forretningsmessige. Vi registrerer at staten ved en riktig handlemåte kan innkassere en pen gevinst på sine investeringer i Cermaq ASA ved fullt nedsalg. Vi ser også at et oppkjøp opp til 65 pst. eierandel kan være nødvendig for å kontrollere spillet om selskapet. Likevel er det også nå, slik vi vurderte det så sent som i april i år, andre hensyn som veier tyngst når vi skal vurdere hvor hensiktsmessig det er med et fullt nedsalg i Cermaq ASA. I eierskapsmeldingen gir regjeringen en del overordnede begrunnelser for statlig eierskap som prinsipp i den norske blandingsøkonomien. En av disse begrunnelsene er spesielt viktig for Kristelig Folkeparti: Det er muligheten til å stille forventninger om samfunnsansvar til selskaper der staten har eierinteresser. Slike forventninger til samfunnsansvar vil ikke ha like stor relevans for alle selskaper med statlig eierskap eller for alle transaksjoner der staten endrer sin eierportefølje. Cermaq ASA er et selskap som har lokalisert hoveddelen av sin forretningsvirksomhet utenfor landets grenser, og majoriteten av selskapets ansatte er ikke bosatt i Norge. Gjennom forretningsområdet EWOS har Cermaq en global markedsandel på 36 pst. innen en global markedsandel på ca. 6 pst. innenfor oppdrett av laks og ørret. Det betyr at ledelsen i Cermaq ASA til daglig forholder seg til viktige etiske og praktiske avveininger når det gjelder behandling av arbeidstakere i land med andre arbeidsrettslige forhold, forvaltning av knappe fiskeressurser som råstoff for fiskefôr og betydelige miljøutfordringer knyttet til fiskeoppdrett. Vi vurderer det dermed slik at dette er en sak der statens muligheter til å stille forventninger om samfunnsansvar er særdeles viktig ut fra selskapets forretningsområde. På side 56 i eierskapsmeldingen blir statens forventninger om samfunnsansvar bl.a. konkretisert i følgende punkter: «Regjeringen forventer at: Selskaper med internasjonal virksomhet knytter seg til FNs Global Compact, og at selskaper med internasjonal leverandørkjede vurderer det samme. Selskaper med internasjonal virksomhet eller internasjonal leverandørkjede legger ILOs åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet.» Fortsatt statlig eierskap i Cermaq ASA vil dermed gi storting og regjering mulighet til å stille klare forventninger til selskapet om samfunnsansvar på de nevnte områder også i framtiden. Ved et eventuelt fullt nedsalg av statens aksjepost vil den muligheten falle bort. I inneværende periode har Kristelig Folkeparti gjentatte ganger påpekt de store miljøutfordringene som er knyttet til norsk oppdrettsnæring. oppdrettsnæring. Kristelig Folkeparti har også tatt til orde for at statlige investeringer i ulike selskaper som opererer i det internasjonale marked, i sterkere grad må baseres på etiske vurderinger av selskapenes forretningsdrift. I den sammenhengen har vi merket oss at Cermaq ASA i sine årsrapporter legger stor vekt på fyldig og god rapportering om arbeidsforhold for egne ansatte, bærekraft og etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover og reguleringer. Det mener Kristelig Folkeparti er svært positivt, og i samsvar med de forventninger om samfunnsansvar som blir stilt av staten som deleier i selskapet.

Det sier sitt om at flertallet på Stortinget er skeptisk til å la markedskreftenes frie spill få bestemme hvem som skal dominere og eventuelt kontrollere oppdrettsnæringen. Det gjelder både her til lands og internasjonalt. Kristelig Folkeparti vil gi sin tilslutning til I og II i innstillingen. Vi vil imidlertid stemme imot III, med de begrunnelsene jeg her har

at de arbeider med alternative transaksjoner for å synliggjøre de verdier styret anser ligger i selskapet. I børsmelding av 17. juni opplyser selskapet at de har mottatt tilbud om kjøp av fôrselskapet EWOS for 6,2 mrd. kr. I samme børsmelding opplyses det at Cermaq har meddelt interessentene, investeringsselskapene Altor og Bain Capital, at deres tilbud om kjøp av EWOS til en samlet selskapsverdi av 6,2 mrd. kr vurderes som så interessant at Cermaq vil innlede en prosess med det formål å inngå en endelig avtale. For å ivareta verdiene for staten og øvrige aksjonærer på best mulig måte i en situasjon hvor selskapet er i spill og det kan finnes flere mulig løsninger, er det behov for handlingsrom for staten som eier i Cermaq. Gjennom proposisjonen som i dag er til behandling, bes det derfor om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Cermaq opp til en eierandel på maksimalt og en fullmakt til å selge samtlige av statens aksjer som del av en industriell løsning. Gjennom muligheten til å sikre en eierandel på inntil 65 pst. av aksjene vil staten aktivt kunne bidra til gode løsninger for aksjonærene i Cermaq. Som nevnt i proposisjonen vil kjøpsfullmakten kun benyttes dersom det vurderes som verdiskapende, og med ambisjonen om at posten skal realiseres i en senere industriell situasjon. Tilsvarende når det gjelder den ønskede salgsfullmakten, vil den benyttes dersom det fører til en god løsning for staten og for øvrige aksjonærer. En utvidelse av den gjeldende salgsfullmakten ned til 34 pst. vil gjøre at staten bedre kan bidra til at Cermaq slås sammen med en annen aktør, med frihet til å velge hensiktsmessig oppgjørsform. Dersom Cermaq skal inngå i et nytt selskap, kan det være aktuelt med et fortsatt strategisk statlig Jeg registrerer at komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre mener at det å gi regjeringen en kjøpsfullmakt framtrer som et prosjekt med betydelig risiko. Mitt svar til det er at risikoen ved at vi ikke får en slik fullmakt, kan være større. Det er ikke slik at det ikke å gjøre noe er risikofritt. Det å være eier betyr også ansvar. Vi risikerer å miste innflytelse på hvilken løsning som blir utfallet av prosessen. I dagens situasjon er det viktig at staten kan styrke sin eierposisjon om nødvendig, og jeg setter pris på at flertallet i komiteen støtter regjeringens ansvarlige linje. Etter departementets vurdering er risikoen ved at staten eventuelt kjøper seg opp i Cermaq, moderat. Vi vurderer at det vil være mulig å realisere en aksjepost til tilfredsstillende priser og bytteforhold om det skulle være ønskelig. Regjeringen mener det er riktig og viktig å sikre statens handlingsrom i en situasjon hvor Cermaq er i spill. Jeg ber derfor om at Nærings- og handelsdepartementet gis de nødvendige fullmakter, slik som anmodet om i den framsendte proposisjonen, og er glad for at flertallet har sluttet seg til dette. Det blir replikkordskifte. I forbindelse med behandlingen av Prop. 178 S ber regjeringen om fullmakt til å kjøpe seg opp til 65 pst. i Cermaq ASA. Jeg registrerer at det i proposisjonen vises til nedsalgsfullmakt som ble gitt i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 for 2007–2008, men en har åpenbart ikke fått med seg den nedsalgsfullmakten som regjeringen selv ba om, og som ble gitt, i forbindelse med behandlingen av Prop.

innlegg: Det ikke å ha en slik fullmakt og handlefrihet tror vi innebærer minst like stor risiko som å ha en slik fullmakt. Hvis jeg får legge til: Jeg har litt vanskelig for å forstå det når Fremskrittspartiet sier at vi skal sikre en norsk forankring av EWOS og samtidig insisterer på at vi skal selge. Det er vanskelig å tenke seg at vi skulle selge til en lavere pris til en norsk eier enn til en annen eier. Det vil være i strid med det mandatet vi har for å ivareta eierskapet i Cermaq og EWOS. Det er

for næringsministeren? Hvilket innhold har det – sett i relasjon til det han betrakter som en god og aktiv næringspolitikk? Det er litt avhengig av hvilken løsning som blir resultatet. Hvis staten selger seg helt ut av Cermaq og realiserer alle verdiene som ligger i selskapet, er det klart at vi da har en forpliktelse til å prøve å få en best mulig pris for selskapet. Det vil være en veldig viktig forutsetning. Alle ansvarlige eiere – kanskje særlig staten – bør bidra til at arbeidsplassene, verdiskapingen og samfunnsbetydningen til selskapet blir videreført etter et eventuelt salg, en fusjon eller en annen alternativ løsning. Så det legger vi også til grunn at vi skal bidra til. til. Det kan også være betraktninger rundt hvilke synergieffekter som ligger i eventuelle samarbeidspartnere. Det vil også være en faktor som vi vil vurdere. De fullmaktene vi nå ber om, gir oss full handlefrihet til å velge i hele dette spekteret av alternativer. Hvis vi ikke får fullmakten til å kjøpe oss opp, som Høyre ikke vil gi oss, begrenser vi mulighetene til å realisere disse verdiene.

Dersom staten i tillegg velger å selge sin strategisk viktige eierposisjon i verdens tredje største oppdrettsselskap til den ledende globale giganten – styrt fra Kypros og London – vil det være et sterkt signal til resten av den norske oppdrettsnæringen om å gjøre det samme. For hvorfor skal alle de andre oppdretterne langs kysten brette opp ermene og sikre styring og verdiskaping, hvis staten – den rikeste av oss alle – skulle la seg friste til å flagge ut og la Marine Harvest overta, som største gjenværende konkurrent. Dersom Regjeringen velger en utflaggingsstrategi for norsk havbruk, vil det føre til at Norge enda mer blir et rent produksjonsområde, og den økonomiske og samfunnsbyggende effekten av dette vil bli betydelig innskrenket for landet vårt.» Hva er statsrådens kommentar til det siterte utdraget fra brevet? Det første jeg vil si, er at det ikke ligger noen konklusjon på bordet om hvordan denne prosessen ender. De som forskutterer at det blir en Marine Harvest-fusjon, tror jeg skal ha litt is i magen og vente på at prosessen går. Når det er sagt; Cermaq er et stort og verdifullt selskap, men andelen av norsk oppdrettsnæring er forholdsvis liten – ca. 4,5 pst. Så en fusjon mellom Mainstream, som er oppdrettsdelen, og andre selskaper, vil ikke være en veldig stor Stortinget har for veldig kort tid siden behandlet disse spørsmålene, og det er der man må ta stilling til strukturrammeverket for oppdrettsnæringen. Det gjør vi ikke gjennom eierskapet. Det skal forvalte verdiene, arbeidsplassene og verdiskapingen i det selskapet Jeg registrerer også at de tre opposisjonspartiene har tre forskjellige standpunkter. Det blir spennende diskusjoner, hvis det skulle bli et borgerlig flertall. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 18–27 behandles under ett. Alle sakene gjelder andre gangs behandling av lovsaker. – Det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet

dersom vi får

statsråd i

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Presidenten vil få lov til å takke for seg. Det er siste gangen jeg presiderer i dag – og «forever», tror jeg. Tusen takk for meg. Det har vært en stor glede. Møtet er hevet.

Da er